entret talerstolen. Iallfall med henvisning til teknikken tror presidenten at det er lurt, for hvis ikke blir man altså ikke registrert. Men det var ikke knyttet til første taler, som er Inga Marte Thorkildsen. Debatten i dag har vært ganske ideologisk, og det er bra. Jeg merker meg at Høyre og Fremskrittspartiet syns det er ubehagelig når vi viser hva som vil være konsekvensene av den politikken de står for. Men det får de tåle. De politiske forskjellene i Norge er nemlig større enn mange tror. Det er ikke først og fremst om man prioriterer noen flere kroner her eller der som utgjør forskjellen på den rød-grønne regjeringa og en eventuell regjering av Høyre og Forskjellene er langt større enn som så, og jeg syns Erna Solberg slapp katta ut av sekken tidligere her i dag da hun beskrev Høyres syn på velferdsstaten. Mens SV ønsker en velferdsstat som i hovedsak består av universelle ordninger – for alle – ønsker Høyre mer behovsprøving, der målet, som Erna Solberg sjøl beskrev det, vil være å begrense bruken av ordningene. Det er derfor Høyre ønsker kutt i og å avvikle ordninga med gratis læremidler. Det er derfor de var imot makspris og rettighetsfesting av barnehagetilbudet, bare for å nevne noe. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker massive skattelettelser, mest til dem som har mye fra før, og tar til orde for flere nullskattytere. Kommersielle aktører skal få stor frihet til å gjøre profitt på syke, på rusmiddelavhengige, på eldre og på skoleelever. Fellesskapets midler skal bidra til overskuddet for multinasjonale selskaper som vil drive Omsorg og Skole AS. Man påstår at dette skal bidra til å gjøre offentlig sektor bedre, men vi har sett resultatene av denne politikken. Dette er gammelt nytt, det har vært prøvd før. Kombinasjonen av kutt i velferd, privatisering, urettferdige skatteletter og et mindre regulert arbeidsliv har i land etter land økt klasseskillene, ført til mer utrygghet og mindre likestilling mellom kvinner og menn. Dette er ikke skremselspropaganda, det er bare å finne fram partiprogrammene og å sjekke historiebøkene. Jeg merket meg at Fremskrittspartiets leder forsøkte å framstille vår motstand mot markedstenking på velferdsområdet som en motstand mot at folk skal kunne ta frie valg. Dette vitner om et snevert syn på velferdsstaten. Hvis det er sånn at Jensens fremskrittsparti ikke kan se for seg at offentlig sektor sammen med ideelle nonprofitaktører kan utarbeide et mangfold av valgmuligheter for sine egne innbyggere, ja da For min mormor, som bor i høyre- og fremskrittspartistyrte Oslo, spiller det ingen rolle om hun kan velge en privat hjemmehjelper i stedet for en offentlig, hvis de to gjør nøyaktig den samme jobben og hun ikke er spesielt begeistret for noen av dem. Det viktige må være at hun har mulighet til å påvirke innholdet i tjenestene, at hun vet hvem som har ansvaret når ting ikke fungerer, og at hun får et tilbud som står i forhold til de behovene hun har. Fordelen med et godt utviklet offentlig tilbud, med langsiktige kontrakter med ideelle aktører, er at vi ikke trenger å sløse bort fellesskapets ressurser på å bidra til profitt for eierne, at vi som folkevalgte får bedre styring over tilbudet, og dermed at folk lettere kan plassere ansvaret når tjenestene ikke er gode nok. Men det er kanskje nettopp dette høyresida frykter. Kanskje det er nettopp for å unngå ansvar at de er de fremste eksponentene for oppsplitting av oppgaver mellom et mylder av etater og aktører i landets hovedstad. Så vidt jeg vet, er det 14 aktører bare på samferdselsområdet. Solberg forsøkte å framstille det som om det bare er oljepengene som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, med Europas laveste arbeidsløshet. Det er en grov forenkling og et forsøk på å avpolitisere politikken. Historien er full av eksempler på land hvor rikdom og råvareressurser har blitt en forbannelse for befolkninga. I Norge hadde vi i sin tid framsynte politikere som tok styring med ressursene, statlige selskaper, sikret at grunnrenta tilfalt folket og fordelte rikdommen rettferdig gjennom utbygging av universelle velferdsordninger og omfordelinger. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker et brudd med alt dette. Det er realiteten. Måten vi har organisert samfunnet på i Norge, med systematisk satsing på fellesskapsløsninger, relativt små sosiale forskjeller – selv om de fortsatt er for store og et velorganisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, kalles altså for den norske modellen. Den norske modellen var lenge ansett som en tapermodell av nyliberale økonomer og politikere. Nå blir den av stadig flere anerkjent som den suverent mest suksessfulle samfunnsmodellen i Europa. Denne måten å organisere samfunnet på har bidratt til sosial mobilitet, et effektivt og lønnsomt næringsliv og høy kompetanse i befolkninga. Likestillingspolitikken er også sentral i denne modellen, med statlige reguleringer og en sterk velferdsstat. Kvinners inntog i arbeidslivet har hatt uendelig mye større betydning for økonomien enn all oljen og gassen til sammen. Så når Fremskrittspartiet vil avvikle alt likestillingsarbeid i offentlig regi, vil det få konsekvenser for likestillinga i Norge, men det vil også få konsekvenser for økonomien. Å påpeke dette er ikke skremselspropaganda, men fakta, og det er veldig bra at vi endelig får opp disse debattene. Alle skal være trygge på at fellesskapet stiller opp når vi trenger hjelp, behandling og omsorg. Det er din helsetilstand som skal avgjøre hva slags tilbud du får, ikke du bor, eller hvor mye penger du har. Vi vil ikke at penger og marked skal styre folks helsetilbud og muligheter. Vi skal tilby moderne og trygg behandling for alle. Flere av helsetilbudene som det er viktig finnes nær deg – særlig hvis det er tjenester du er avhengig av å bruke ofte – skal komme nærme deg. Gjennom Samhandlingsreformen skal også tjenestene bli bedre og til ser i dag. Når du trenger spesialisert, avansert behandling, skal du ha trygghet for at du får det på et sykehus spesialisert for dette, slik at mulighetene for et godt behandlingsresultat og god oppfølging er den aller beste. I Norge får direktøren og arbeideren samme medisinske behandling på samme sykehus. Slik skal det fortsatt være. Gjennom målrettet økt innsats skal vi utjevne de sosiale helseforskjellene som vi fortsatt dessverre ser her i landet. Da kan vi ikke svekke fellesskapets inntekter ved å prioritere skattelettelser på mange titalls milliarder. Høyresiden har ingen skrupler når det gjelder å gjennomføre kraftig krymping av offentlige tilbud. Lysten på store skattekutt og den sterke privatiseringstrangen går foran alt. Det er ikke akkurat hensynet til at alle skal med, som gjelder der i gården. Jeg synes for øvrig at taleren før meg, Inga Marte Thorkildsen, hadde en god beskrivelse av nettopp dette. Vi trenger en stor og aktiv offentlig sektor for å sikre trygghet til alle. Vi trenger likeverd i velferdstilbudet over hele landet. Vi trenger en robust og bærekraftig kommuneøkonomi for å styrke tjenestetilbudet og forbedre kvaliteten, slik trontalen tydelig beskriver. Vi trenger dagens skattenivå, og vi trenger ikke minst den norske modellen. Aldri før har flere fått behandling ved norske sykehus enn nå. Mange venter allikevel for lenge på behandling, noe som også henger sammen med at antallet mennesker som blir henvist til behandling, øker, bl.a. på grunn av nye og høyst kjærkomne behandlingsmetoder. Det jobbes hver dag for å få ned ventetiden til diagnostisering og behandling. Men vi skal gjøre enda mer for at ventetiden skal blir kortere. Dette har sjølsagt svært høy prioritet. Vi tror ikke at verken skattelettelser eller privat markedsstyring er svaret på helsekøene. Vi vil heller ikke understøtte virksomhet som vil gjøre profitt på folks sykdom. Det blir heller ikke flere leger, pleiere eller penger av å bruke kommersielle aktører i stedet for det offentlige, og det blir heller ikke billigere. Helsepolitikk er ikke næringspolitikk, i hvert fall ikke slik vi rød-grønne ser det. Men også i framtiden ønsker vi å ha et godt partnerskap – jeg vil uttrykke det slik – med ideelle aktører og andre. Feiringklinikken er et godt eksempel. Der sikrer helse- og omsorgsministeren forutsigbarhet nå gjennom en fireårig rammeavtale, samtidig som klinikken får ansvaret for et prosjekt knyttet til livsstilendring. Det er heller ikke først og fremst store skattekutt de eldre pleietrengende og deres pårørende etterspør. Vi vil bistå kommunene gjennom økte frie inntekter og tilskuddsordninger slik at de kan sikre den bemanningen som trengs i hjemmetjenesten og i institusjonene, for god bemanning er svært viktig for at vi skal sikre kvalitet og trygghet i tjenestene. Økningen i antall årsverk har vært kraftig innenfor omsorgssektoren de siste årene, noe som ikke minst har vært viktig for at også de mange yngre med hjelpebehov har fått et godt og verdig tilbud. De aller fleste eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig, men de som trenger en heldøgnsbemannet omsorgsbolig eller en sykehjemsplass, skal få det. Vi skal sikre full dekning innen 2015. Utbyggingen er i rute, og regjeringa er veldig tydelig på at tilsagnsrammen i Husbanken vil bli utvidet om behov og søknadstilgangen tilsier Det er svært positivt å konstatere den store entusiasmen det er både faglig og politisk rundt i hele landet omkring Samhandlingsreformen. Det er imponerende hvor godt det jobbes i og mellom kommuner og i partnerskap med spesialisthelsetjenesten og andre aktører. Nå har regjeringa varslet nye og betydelige statlige overføringer neste år til reformarbeidet rundt om i hele landet. Om noen få måneder vil de organisatoriske, juridiske og økonomiske rammene for reformen være klar. Men aller viktigst for å lykkes er kompetansen, kreativiteten og samarbeidsviljen lokalt. Og det som skjer der ute, lover veldig godt. Regjeringen varsler innsats innen helse og omsorg. Blant annet skal Samhandlingsreformen nå konkretiseres. Som overlege og hjertespesialist på

Jeg tror ikke lokalmedisinske sentre kombinert med nedbygging av lokalsykehusene vil hjelpe befolkningen i små kommuner til et bedre helsetilbud. I stedet tror jeg dette vil tappe distriktene for verdifull helsefaglig kompetanse. I vårt område ser vi også at lokale ideelle rusaktører forsvinner, noe som ytterligere tapper lokal kompetanse. Det legges i trontalen vekt på en reell frihet til å bosette seg hvor man vil. Ja, det varsles et distriktspolitisk løft. Det er vanskelig å se hvordan dette harmonerer med en sterk sentralisering av spesialisthelsetjenester, akuttfunksjoner og helseberedskap. En trygghetsbase må være i beredskap, selv når ingenting skjer. Dagens finansieringssystem er bygget rundt stykkpris pr. pasient. Kristelig Folkeparti har ved flere anledninger pekt på at markedstenkning og foretaksmodeller ikke er gagnlig for god pasientbehandling, ikke gagner politiske prioriteringer i helsetjenestene og heller ikke borger for god samhandling. Helseministeren var svært opptatt av ventelister, særlig å redusere disse. Min mening som sykehuslege er at et slikt fokus innen somatiske tjenester vil forsterke innsatsen på de enkle kirurgiske inngrep hos relativt friske personer. Husk at det bare er planlagt virksomhet som i det hele tatt står på noen venteliste. All øyeblikkelig hjelp går selvfølgelig utenom ventelistene. Dette er halvparten av innleggelsene på et lokalsykehus. Heller ikke kontrolltimer til kronikere, serier med dagbehandling til kreftpasienter eller rehabilitering på lærings- og mestringssentre inngår i ventelistene. Et sterkt fokus på denne lille delen av spesialisthelsetjenesten er med på å vri ressurser til de friskeste. Sterk opptatthet av ventelister og ventetider er en aktiv nedprioritering av kronikere, kreft, rehabilitering og akuttfunksjoner. Psykiatrien har ikke stykkprisfinansiering, og der er det mulig å bruke ventetidene som verktøy til å følge opp helseforetakenes prioriteringer. Jeg merket meg i helseministerens innlegg at hennes sterkeste virkemiddel synes å være at hun vil følge utviklingen innen barne- og ungdomspsykiatrien nøye i Helse Vest. Ja, da ordner det seg nok sikkert. Akuttberedskap er en viktig oppgave for lokalsykehusene. Den stykkprisbaserte finansieringen har ingen finansiering av beredskap, bare for pasienter som faktisk blir lagt inn. Krav om økonomisk balanse kombineres med manglende finansiering av beredskapskostnader, og dette vil igjen bidra til sentralisering av akuttfunksjoner og beredskap. God og trygg beredskap krever vakt døgnet rundt året rundt. I sykehuset kommer inntektene bare når det skjer ulykker og katastrofer eller når tilstrekkelig mange blir akutt syke. Man kan tenke seg en parallell til at Stortingets sikkerhetstjeneste bare fikk penger pr. bombe funnet! I Norge er det heldigvis altfor få bomber per I Norge er det heldigvis altfor få bomber per måned til å finansiere en sikkerhetstjeneste. Så er det da heller ingen som foreslår at beredskap skal være stykkprisfinansiert. På sykehusene er situasjonen annerledes. I grisgrendte områder – og det er det mange av i Norge – er det ikke mange nok som rammes av ulykke og skade på kvelden og i helgen til å bære disse beredskapskostnadene. I mesteparten av Nord-Norge, i indre deler av Vestlandet og i mitt eget fylke Telemark er beredskap ikke lønnsomt. I disse områdene er legedekningen også utenfor sykehusene svært lav, legevaktene er hardt presset, og det er geografiske utfordringer. I det videre arbeidet med Samhandlingsreformen og helseplaner ellers er det viktig at kompetanse, akuttfunksjoner og beredskap får strukturmidler og oppmerksomhet. Uten dette vil akuttfunksjoner bli for svake, og befolkningens mulighet til å få hjelp raskt vil undergraves. Ventetider er viktig for de få det angår, men berører bare en liten del av spesialisttilbudet. Kristelig Folkeparti mener at de regionale helseforetak har hatt en funksjon i en periode, men nå med fordel kan avvikles til fordel for pasientene – og befolkningen. For Arbeiderpartiet er

Det har aldri gitt folk en bedre hverdag, med unntak av noen veldig få – folk med mye penger i lommeboka. I Norge har vi små sosiale forskjeller sammenlignet med andre land. Vi har lav arbeidsledighet med lav prisstigning, vi har god næringsutvikling, høy produksjon og økonomisk vekst. Modellen gir også rom for likeverd i velferdstilbudet over hele landet. Derfor er det forståelig at høyrepartiene og deres støttespillere ser at modellen tiltaler folk og derfor ønsker å ta eierskap til modellen og velferdssamfunnet. Problemet er bare det at modellen er basert på noen forutsetninger: Det er basert på at gode velferdsordninger betales gjennom et relativt høyt skattenivå. Det er basert på en stor og aktiv offentlig sektor. Det er basert på et trepartssamarbeid mellom stat, arbeidstaker og arbeidsgiver. arbeidsgiver. Så lenge høyresiden konsekvent utfordrer modellen med å angripe disse pilarene, er den ingen troverdig forsvarer av velferdsstaten og fellesskapet. De store skattekuttene til høyresiden svekker hele grunnlaget for gode velferdsordninger betalt av fellesskapet. Representanten Solberg sier i dag at skillet i norsk politikk ikke går på om en vil ha velferdsstaten og fellesskap eller ei – nei vel, men det er altså ikke mulig å opprettholde velferdsstaten som i dag og videreutvikle den, samtidig som en vil gi gedigne skatteletter. Så da må representanten Solberg velge hva hun vil mest, og ikke fortelle folk at de kan få begge deler, for det er umulig. Representanten Solberg har også i dag bekreftet at vi ikke engang er enige om hva velferdsstaten er. Hun mener at utdanning ikke er en del av velferdsstaten – og da er vi grunnleggende uenige. For barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyskole og universitet er en viktig bærebjelke og helt klart en stor del av velferdsstaten. Jeg vil vise til en kronikk som professor Karen Helene Ulltveit-Moe hadde i Dagens Næringsliv. Hun sier i denne kronikken at John Fredriksens uttalelser om skatt har fått mer oppmerksomhet enn de fortjener. Hun sier at de opposisjonspolitikerne som ufortrødent og lite kritisk har ilt til med støtteerklæringer til Fredriksen, burde ha tenkt seg om en gang til. Hun påpeker videre at Norges vekst og verdiskaping overgår alle land i Europa, at flertallet av formuene i Norge er skapt de siste 20 årene, og at forklaringen ikke bare er olje. Hun sier: «Jeg har til gode å være til stede i et styrerom hvor skatt

Vi vil ha et samfunn der innsats skal belønnes, men alle skal sikres grunnlag for et trygt og verdig liv. Det gir enkeltmennesket frihet. Det gir gode liv. Vi har fått gjort mye, og vi er faktisk stolt av det, men vi er ikke fornøyd. Arbeid gjenstår, og vi ønsker å brette opp Energi- og miljøkomiteen har nylig kommet hjem fra Brasil, og det var en god og lærerik tur. Det er flere spørsmål og svar som har festet seg i mitt hode etter den turen. Nelson Mandela sa en gang at skal vi løse verdens klima- og miljøutfordringer, må vi løse verdens fattigdomsutfordringer. Det er nemlig en og samme sak. Brasil er et land i vekst, men sliter med store fattigdomsutfordringer som må Det har de til felles med mange andre land i verden. De skal samtidig ta vare på miljøet, ikke bare for seg selv, men for alle oss andre. Derfor er jeg glad for at vi som nasjon er verdensledende på flere sentrale klimaområder og går i spissen også når det gjelder bevaring av regnskog. Klimaproblemene er internasjonale, og derfor må de løses internasjonalt. Men vi i de rike landene må ta ansvar for det her hjemme. Vi sier at når det kommer en avtale på bordet, skal Norge være karbonnøytral i 2030. Derfor er det helt utrolig at representanten Siv Jensen sier at klimaambisjonene er forlatt, og at vi ikke har virkemidler. Så sier hun at det kanskje er like bra at det er slik – det sier mer om Fremskrittspartiets forhold til klimautfordringene og deres syn om at klimautfordringene ikke er det sier mer om Fremskrittspartiets forhold til klimautfordringene og deres syn om at klimautfordringene ikke er menneskeskapte enn det sier om den rød-grønne politikken. Selv om Norge i dag har en stor oljeformue, er

Jobb til hver enkelt av oss gir skatteinntekter til stat og kommuner som finansierer skoler, sykehus, veier og andre velferdsgoder – skatteinntekter gjør at samfunnet kan ha gode sikkerhetsnett til de av oss som av ulike grunner ikke kan være en del av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Dette er et samfunn og en velferdsstat som Høyre ønsker både å sikre og å videreutvikle. Vi er stolt av å ha medvirket til en utvikling og et samfunn som andre land ønsker å lære av. Det er viktig å sikre velferden fremover, ettersom vi kan forvente at statens utgifter vil være større enn statens inntekter fra 2020. En kommende eldrebølge i kombinasjon med fallende oljeinntekter gir oss dette scenarioet, og for Høyre betyr dette at vi må arbeide aktivt for å gjøre den økonomiske utviklingen fremover i dette tiåret så robust og bærekraftig som mulig. Stilt overfor disse utfordringene trenger landet en politikk og en regjering som er i stand til å ta grep – både på utgiftssiden, i form av en så effektiv offentlig sektor som mulig,

Jeg hørte hva som ble varslet skulle komme, men jeg merket meg også at det ikke ble nevnt arbeidet med en kommende petroleumsmelding, som olje- og energiministeren tidligere har varslet skulle komme rundt årsskiftet, eventuelt tidlig våren 2011. Jeg håper at dette ikke er et signal om at petroleumsmeldingen er ytterligere utsatt. Det er nå om lag sju år siden Stortinget sist hadde anledning til å diskutere visjoner, mål og strategier for landets desidert viktigste næring. I 2009 sto denne næringen for om lag en tredjedel av statens inntekter gjennom skatter, avgifter og direkte eierandeler, og hver fjerde investeringskrone kom innenfor denne sektoren. Over 200 000 mennesker bosatt i nær alle landets kommuner arbeider direkte eller indirekte i denne næringen. Vårt Statens pensjonsfond utland, som bl.a. har gitt oss handlingsrom til å begrense skadene av finanskrisen, har hentet sin formue fra ressursene på sokkelen. Det er med undring jeg registrerer at regjeringen ikke finner det hensiktsmessig å sørge for styringssignaler og ambisjoner for å ta ut det potensialet fremover som petroleumsnæringen representerer – både i form av ressurser, jobber og inntekter. Nylig la det såkalte Åm-utvalget frem 44 punkter for økt Initieringen av dette arbeidet er prisverdig, men det må følges opp med aktiv politikk, og siden flere av feltene betegnes som tidskritiske med tanke på mulighetene for å øke utvinningsgraden, er dette arbeidet ikke noe regjeringen bare kan avvente – her må det handling til. For hver prosent vi klarer å øke utvinningsgraden, vil dette ifølge Oljedirektoratet gi en netto inntekt på mellom 100 og 150 mrd. kr. Åm-utvalget estimerer bruttoverdiene på økt utvinningsgrad opp mot

Norge er en energistormakt, og vi har bl.a. bygd opp en stor kraftforedlende industri med basis i vår vannkraft. Høyre ønsker at vi skal føre en aktiv politikk som sørger for en sikker energiforsyning til landets innbyggere og bedrifter, men også at vi kan videreutvikle og øke energiproduksjonen – enten til økt eksport til våre naboland, eller som innsatsfaktor til ny industri i Norge. Da er det viktig med en politikk som sørger for aktiv tilrettelegging av økt produksjon og en infrastruktur i form av effektive nettstrukturer og kabelforbindelser i Norge så vel som til utlandet. Innenfor energiområdet kan vi fra Høyres side beklage den sendrektighet som regjeringen har vist, både når det gjelder fremdrift i etableringen av et felles grønt sertifikatmarked med Sverige, forhandlingene med EU om fornybardirektivet, stadige utsettelser av innføring av avanserte strømmålesystemer som vil gi muligheter for energieffektivisering Norge er faktisk det eneste landet i EU som ennå ikke har satt seg mål for energieffektivisering – og ikke minst en altfor lang saksbehandlingstid på konsesjonssøknader om ny produksjon. Vi har oppfordret olje- og energiministeren til en gjennomgang av disse sakene

Vi har høy sysselsetting og lav ledighet. Det er ingen selvfølge, selv om noen gir uttrykk for dette i debatten. Vi har høy produktivitet, vi har dyktige og konkurransekraftige bedrifter, vi har en arbeidsstyrke som konkurrerer internasjonalt, og vi har bedrifter og miljøer som investerer. Norge har den høyeste verdiskapingen i EU. Arbeidskraftproduktiviteten i Norge er over 50 pst. høyere enn snittet i EU. Produktivitet er ikke bare hva som gjøres av innsats i bedriftene, men er også et uttrykk for hvordan samfunnet er formet. Hele vår samfunnsmodell er et viktig bidrag til å ha høy produktivitet og god konkurransekraft. Dette er utvilsomt en av mange årsaker til at Norge har klart seg godt gjennom finanskrisen. Det blir derfor altfor enkelt når representanten Solberg henviser til olje- og gassvirksomheten og inntektene derfra som tilnærmet eneste årsak til at vi kom velberget igjennom Jeg vil legge til: Forskningsinnsatsen er styrket; 22,5 mrd. kr brukes nå på forskning. Vi har forsterket og utviklet ordninger som understøtter næringslivet. Innovasjon Norge, GIEK og Enova er gode eksempler på dette. Jeg synes også det er verdt å nevne hva en sterk offentlig sektor har betydd som konjunkturdemper i forbindelse med finanskrisen, ikke minst med betydning for sysselsettingen i det private næringsliv. Og ikke minst betydningen av at man fører en ansvarlig økonomisk politikk. Vi har lyktes langt bedre enn de fleste – ikke ensidig på grunn av olje og gass, men på grunn av en helhet. Vi har Europas laveste ledighet. Høy produktivitet, bred kunnskap og en god og ansvarlig økonomisk politikk hvor man bygger på ansvarlighet og gjensidig tillit mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere er spesielt viktig Gjensidig ansvarlighet og tillit i arbeidslivet innenfor trepartssamarbeidet er ingen selvfølgelighet. Det handler om at man stoler på hverandre. Høyrepartiene har lett for å glemme dette. Derfor forundrer det meg at Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Siv Jensen, i et svar til representanten Helga Pedersen forsøker å vitse med at Arbeiderpartiet lytter til fagbevegelsen. Det ble ikke bedre av at representanten fortsatte sitt svar med å tåkelegge sitt eget partiprogram gjennom et anstrengt forsøk på å bortforklare partiets egne programformuleringer om svekkelser i arbeidstakernes rettigheter. Det er ingen selvfølge at man har tillit mellom partene i arbeidslivet. Det er en politisk prioritering. Ja, vi lytter til fagbevegelsen, og ja, vi lytter til arbeidsgiverne, og vi baserer vår politikk på tillit og langsiktighet. Jeg vil så absolutt anbefale både Høyre og Fremskrittspartiet å lytte mer til partene i arbeidslivet. Og Og høyrepartiene har jo ikke forlatt sine tidligere prinsipper. Nei, de ønsker bare ikke å snakke om dem. For jeg har også lyttet til hva Høyre sier. Høyres næringspolitiske talsperson understreket behovet for midlertidige ansettelser og at mer skulle avtales lokalt i møtet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på NHOs småting. Trontalen var et varsel om det motsatte, om stabilitet og fortsatt tillitsbygging for å underbygge Fundamentet for stabilitet og lojalitet og oppslutning om den økonomiske politikken ligger der. Det er helt relevant å trekke fram i trontaledebatten. Regjeringen varslet tydelig gjennom trontalen at det viktigste satsingsområdet i tiden framover er arbeid og et mer inkluderende arbeidsliv. Økt verdiskaping og økt investeringslyst står helt sentralt i næringspolitikken. Det er mange ideer som skapes i Norge. Det er kreativitet, og det er nye forretningsområder som skapes gjennom idé, forskning og teknologiutvikling i Norge. Det investeres mye, og vi vinner nye produksjonsarenaer. Et godt eksempel er REC. Vi skal likevel erkjenne at utfordringen i tiden framover nå ligger i å omgjøre enda flere av ideene til kommersielle produksjoner. Et samlet virkemiddelapparat må i størst mulig grad rettes inn mot å hjelpe de gode ideene over i en kommersiell fase. En pragmatisk tilnærming til systemet og de vurderinger som skal gjøres

som har spart bedriftene for 300 mill. kr i innrapporteringskostnader. Jeg må erkjenne at jeg gleder meg til fortsettelsen. Noreg er stort sett eit bra land å bu og

for dårleg konkurranseevne. Samtidig står vi framfor store utfordringar i åra som kjem, m.a. på grunn av ei aldrande befolkning. Denne utviklinga fryktar nokon kan medføre redusert tenestetilbod og/eller høgare skattar. Statsminister Jens Stoltenberg sa i sitt innlegg at det er viktig å fornye, forbetre og Det er jo flotte ord utan at eg heilt forstår innhaldet og kva som skal gjerast på bakgrunn av den bodskapen. Statsministeren understreka òg at regjeringa er oppteken av å avbyråkratisere. Det er òg ein bodskap som det er vanskeleg å sjå i praksis. Det er mogeleg at ein del av regjeringa er oppteken av dette, men tala tyder på at det er er omtrent ingenting som blir gjort. Tvert imot går utviklinga i feil retning. Når det gjeld kommunesektoren, har administrative stillingar frå 2006 til 2009 auka frå 44 212 til 46 711. Det er 2 500 fleire byråkratar, og ein prosentvis Dette skjer samtidig med at tilsette innanfor vann, avløp og renovasjon, brannvern, ulykkesvern og samferdsel i kommunane blir reduserte med 1,6 pst. Når ein ser på fylkeskommunen, er tala endå verre. Der har talet på administrative stillingar auka med 17,1 pst. i Og meir byråkrati betyr sjølvsagt mindre og dårlegare tenester til innbyggjarane, gitt at vi har den same summen å fordele. Kvifor har vi fått ei slik utvikling? Det er nok mange grunnar til det. Ein av grunnane er at vi har altfor mange uhensiktsmessig små kommunar i dette landet.

kostnader på 2 972 kr. Det betyr at dei 100 minste kommunane i snitt har meir enn tre gonger så mykje i administrasjonskostnader per innbyggjar enn det dei 100 største kommunane har. Små kommunar har òg større utfordringar med å ta i bruk ny velferdsteknologi på grunn av ressursmangel, og dei vil ha problem med å etablere eit godt Derfor er det på høg tid at staten bruker økonomiske verkemiddel og stiller opp med gulrøter for å få til fornuftige og frivillige kommunesamanslåingar. Færre kommunar vil òg gjere det lettare å bli kvitt

No har vi fått forklart frå fleire at det frå det raud-grøne fleirtalet dessverre nærast er ein allergi mot private løysingar, mot konkurranseutsetjing, mot at ideelle og private løysingar tek over. Derfor vil nok byråkratiet og administrative kostnader auke i åra framover, ein ikkje bruker det verkemiddelet å innsjå at konkurranse er sunt, og at konkurranse bidreg til både å få ned kostnadene og å få opp kvaliteten på tenestene. Så lenge ein er mot det, hjelper det ikkje å gjenta gong på gong at ein må og det hjelper heller ikkje å understreke og seie opp igjen og opp igjen at regjeringa er oppteken av å avbyråkratisere, når ingenting blir gjort. Foregående taler

Vi har unngått at den internasjonale finanskrisen har gått over i en ledighetskrise, slik våre naboland så smertefullt erfarer. Regjeringens håndtering av finanskrisen, som fikk bred støtte her i Stortinget, førte oss trygt gjennom nedturen. Det gir et godt utgangspunkt for å fortsette arbeidet med å forsvare, forsterke og fornye grunnlaget for framtidens verdiskapning og våre velferdstjenester. Det er den andre hovedoppgaven for politikken. Det er fortsatt mye som bør bli bedre i vårt samfunn. Det er eldre som ikke får den sykehjemsplassen de har behov for. Det er barn som må leve for lenge i omsorgssvikt. Det er rusmisbrukere som ikke får bistand til å komme ut av sin nedverdigende situasjon. Jernbanenettet er for gammeldags og for dårlig. Det er for mange veistrekninger som er overbelastet og trafikkfarlige. Alle disse utfordringene kan vi møte gjennom en forsterket innsats. Mens landene rundt oss må kutte i sine budsjetter med øks, kan vi bygge ut jernbanenettet og veiene for 10 mrd. kr mer hvert eneste år framover enn det vi tok oss råd til før finanskrisen rammet. Det er ikke først og fremst oljeformuen som er grunnen til at vi er i denne spesielle situasjonen her i landet. Det er politikken. I 2005 gjorde et flertall i det norske folk et viktig veivalg. De ville heller ha et sterkere fellesskap enn mer skattelettelse. Det er hovedgrunnen til at vi har kunnet sette inn mer ressurser på alle viktige samfunnsområder. Det spesielle i denne debatten er at opposisjonen ikke enn den regjeringen presenterer. De etterlyser mer Soria Moria. De kritiserer regjeringen for at den ikke gjennomfører målene i regjeringsplattformen raskere. Høyrepartienes bekjennelse som velferdspartier må forstås på bakgrunn av det som skjedde ved valget i 2005. Etter fire år med Bondevik-regjeringens prioritering av 20 mrd. kr i skattelette framfor å styrke velferdstjenestene lærte høyrepartiene at velgerne forlater de partier som svekker fellesskapet. Derfor profilerer de seg nå som velferdspartier. Og så frister de med noe i tillegg: lavere priser på velferden i den blå butikken enn i den rød-grønne butikken. Hvis det er noen som tror at de kan få mer for mindre, vil jeg anbefale en studietur til Fredrikstad. Der fikk Fremskrittspartiet og Høyre ansvaret etter valget i 2007 på løftet om å fjerne eiendomsskatten samtidig som det skulle bli mer penger til skole og eldreomsorg. De sa de visste hvordan de skulle gjøre det, men den kunnskapen må ha forsvunnet på valgnatten. Riktignok er eiendomsskatten redusert noe, men den er ikke borte, og med utsikter til 100 mill. kr i underskudd i år – det tredje året på rad med underskudd – står kommunen foran omfattende reduksjoner i omsorgstjenestene, i skolen – ja, så å si på alle områder. Den norske samfunnsmodellen med et sterkt fellesskap som vi alle må være med og betale for, undergraves hvis man svekker fundamentet som skal sikre finansieringen. Styrken i det fundamentet heter skatter og avgifter. Det høyrepartiene gjør, er å forespeile oss det trygge og kjente velferdssamfunnet på billigsalg. Den andre viktige pilaren i den norske modellen er samarbeidet mellom en ansvarlig fagbevegelse, ansvarlige arbeidsgivere og myndighetene. Dette er et konkurransefortrinn vi må ta vare på. Men da kan man ikke angripe faglige rettigheter og svekke kampen mot et useriøst arbeidsliv, slik vi så Hva er egentlig høyrepartienes alternative politikk for å sikre verdiskaping og gode nok velferdstjenester? Høyres Erna Solberg sa at vi skulle få mer igjen for pengene gjennom konkurranseutsetting av oppgavene. Vi kjenner igjen kommunalminister Solberg med sine krav om mer effektive kommuner, kommuner som i årtier har drevet omstilling og effektivisering. Fremskrittspartiets Siv Jensen snakket om reformbehov, men pekte bare på at det måtte til mer penger og mer øremerking og at man måtte få inn markedstenkningen også i eldreomsorgen. Alternativet er altså å overlate mer av jobben til private firmaer som skal konkurrere med kommunene om bevilgningene fra statskassen. Det krever i hvert fall ikke mindre penger i statskassen om også private firmaer skal finansieres av fellesskapet. Det kunne være grunn til å glede seg over at også høyrepartiene slutter opp om en samfunnsmodell med et sterkt fellesskap. Men hvis vi skal kunne ta det på riktig alvor, må de også erkjenne hvilke sentrale pilarer denne modellen hviler på. Det gjør de ikke når de tilbyr den på billigsalg og på ulike måter undervurderer og svekker den rolle partene i arbeidslivet må spille hvis modellen skal fungere både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping, og i tryggheten for de grunnleggende velferdstjenestene. Presidenten kan trygt tilrå at neste gang kan beløpet for skattelettelse justeres til 23 milliarder. Jeg er litt usikker på om det vil styrke eller svekke poenget.

Da er det litt skuffende at den ikke varsler noe særlig nytt. Særlig skuffende er det at talen var blottet for politikk for å få ned fattigdom blant barn. Jeg registrerte at regjeringen i sin melding om rikets tilstand formidlet at den i 2010 har ført videre og trappet opp den særlige innsatsen for å forebygge og få bukt med fattigdom. Men for oss andre i Norge, som ikke sitter i regjeringen, er det vanskelig å oppdage hva denne innsatsen består i. i et av verdens rikeste land, er antall barn som vokser opp i fattige familier i Norge, økende. Så mange som hvert tredje barn med ikke-vestlig bakgrunn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen. Dette er et problem vi som landets nasjonalforsamling har plikt til å ta på alvor. Det er skuffende når flertallet i denne forsamlingen ikke makter å gjøre noe for de svakeste. Da Venstres forslag ble behandlet i mars, innrømmet SVs representant Karin Andersen at de «selv har bygget forventninger i forhold til de fattige som vi ikke har innfridd. Det beklager jeg, og det forstår jeg at man er skuffet over».Dette ble uttalt av statsråd Kristin Halvorsen til TV 2 21. august 2009. Det er hyggelig at SV forstår oss andre, men det hjelper lite for de fattige barna. For i stedet for å drøfte de forslagene vi fremmet, gjemmer de seg bak utredninger og samråd som foregår i regjeringen. Når jeg nok en gang står her på talerstolen, er det betimelig å spørre om hvor denne satsingen har blitt av. Det er pinlig at en regjering som flåser med velferd framfor skattelette, ikke har vilje til å gjøre noe med at 85 000 barn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen. Det begynner vel nå også å handle om viljen, ikke bare evnen. På samme tid i fjor fremmet Venstre et representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen. En forsterket innsats i kampen mot frafall behøves. Etter Venstres mening er frafall en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor, både i et velferdsperspektiv og i et kunnskapsperspektiv. Når omtrent én av tre ungdommer faller utenfor, er det ikke bare tall, men også menneskeskjebner. Jeg har selv vært en av dem som var nær ved å bli en «drop-out», men på grunn av god oppfølging fra lærere klarte jeg å fullføre. Jeg oppfatter det slik at det i denne sal er bred enighet om at vi skal gjøre det vi kan for å få ned frafallet. I trontalen ble det understreket at det er en hovedsak å få flere til å fullføre videregående opplæring. For meg er det derfor underlig at regjeringspartiene i forbindelse med behandlingen av det nevnte representantforslag ikke vil ta på alvor Venstres hele ti konkrete forslag for å bekjempe frafall. Utfordringene som vi står Det krever en politisk dugnad der en lager brede kompromisser. Det vil jeg på vegne av Venstre nok en gang gjerne invitere til, selv om det virker som om regjeringen overhodet ikke er villig til å lytte når opposisjonen fremmer gode forslag som gjelder kampen mot frafall. Det er trist, først og fremst for de mange som faller ut. Regjeringen bør vel lytte til og ta til seg forslag, selv om de kommer fra politikere i opposisjon, og bør vel ikke la det gå prestisje i det at den selv ikke kom på de gode ideene? I forbindelse med behandlingen av neste års statsbudsjett kommer Venstre til å foreslå en rekke tiltak for å øke gjennomføringen av videregående opplæring, bl.a. flere spesialpedagoger, styrking av lærerrollen, en mer praktisk opplæring i skolehverdagen og en styrket skolehelsetjeneste. Jeg vil nok en gang oppfordre de rød-grønne til å støtte våre forslag. Det vil vise at de tar utfordringene på alvor, og ikke bare kaster om seg med fine ord på papiret.

For meg blir en slik begrensning et kunstig ideologisk hinder for bedre velferdstjenester. Et eksempel er Mestringshusene, som driver med rusbehandling. Mestringshusene drives ikke av en ideell organisasjon, men av ildsjeler som selv har hatt personlig kjennskap til rusavhengighet, og som derfor ønsker å hjelpe andre. Det er vanskelig å forstå den store forskjellen mellom en slik klinikk og en klinikk som drives av Frelsesarmeen. Det er uforståelig hvilken privat omsorg regjeringen godtar, og hvilken de ikke ønsker. Debatten i dag har heller ikke vært klargjørende når det gjelder hvor regjeringen egentlig står. Jeg vil derfor utfordre regjeringen til å være tydelig på hvilke velferdsaktører den godtar, og hvilke den ikke godtar, og ikke minst hvorfor. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at uttrykk som «flåsete» eller «flåser» anses som uparlamentariske, og derfor bør unngås. Det blir replikkordskifte.

boliger. Man ser starten på et segregerende bomønster. De har vært med på å strupe pengene til bydelene. Vel, det er i bydelene integreringen skjer. Partiet Venstre var også med på å innføre likestillingsfelle, fattigdomsfelle, integreringsfelle og kontantstøtte da de satt i regjering. 80 pst. av toåringene i Oslo som det mottas kontantstøtte for, har innvandrerbakgrunn. Det vet vi hindrer mor i å lære seg norsk og delta i arbeidslivet og ungene i å delta i barnehagen. Liv og lære henger tydeligvis ikke helt sammen for representanten Raja og partiet hans. Hvordan forklarer representanten det? Jeg er veldig glad i denne byen, som jeg er født og oppvokst i, og som jeg er en del av. Jeg gleder meg over at jeg kan bevege meg fritt i denne byen, og jeg gleder meg over å kunne ta del i integreringsdebatten. Jeg kjenner meg ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som representanten Hadia Tajik nettopp her ga. Venstre har borget for Venstre har borget for en bedre integreringspolitikk gjennom alle de årene som Venstre har hatt et ord med i laget i bystyret i Oslo. Det tror jeg også representanten Hadia Tajik kjenner til. For meg blir dette polemikk uten noe realitetsinnhold. Da er det neste replikant. Unnskyld! Ønsker representanten en ny replikk, er det adgang til det. Vær så god, Abid Og for å ta et eksempel til, når vi likevel er i gang: Jeg registrerer at representanten Raja er opptatt av fattigdom blant unger, han var opptatt av det i sitt innlegg. Når dette er viktig for representanten Raja, hvorfor var da partiet Venstre med på å kutte støtten til gratis kjernetid fra statlig side da de satt i regjering? Det er blitt offentliggjort en undersøkelse i dag som viser at jenter med innvandrerbakgrunn som har benyttet seg av dette tilbudet, gjør det bedre på skolen enn de som ikke har benyttet seg av det. Hvis bekjempelse av fattigdom blant unger er viktig for representanten Raja, må det også være viktig for ham at alle unger får lik mulighet til å lykkes på skolen. Da må de ha lik mulighet til å delta i gratis kjernetid, delta i barnehagen og få de norskkunnskapene de trenger for å kunne lykkes i arbeidslivet i Norge. Presidenten beklager overfor Hadia Tajik navneforvirringen, det var ikke meningen. Jeg tror representanten Tajik bør sette seg inn i hvordan f.eks. skolene presterer i ulike undersøkelser som gjøres. Oslo kommer svært godt ut i de fleste skoleundersøkelsene. Når det gjelder å bekjempe fattigdom blant barn, som Tajik er inne på, er jeg veldig glad for at hun berører det temaet. Vi fremmet allerede i fjor hele ti konkrete forslag. Det var forslag om en garantert minsteinntekt, borgerlønn,

Det jeg registrerer, er at Tajik snakker om fortiden og nekter å forholde seg til det som er kjerneproblemstillingen i dag, at vi har 85 000 barn som lever under fattigdomsgrensen. Dette har regjeringen ikke maktet å gjøre noe med. Tvert om, de har latt være å stemme for de gode forslagene som vi har Jeg deler representanten Rajas engasjement mot fattigdom. Et av de beste virkemidlene mot fattigdom er en ordentlig lønn. Venstre er mot tiltak mot sosial dumping og vil ha mer konkurranse når det gjelder lønn. Hva Venstre tenker om arbeidsliv, fikk vi jo et eksempel på da Venstre satt i regjering og forsøkte å innføre 13 timers arbeidsdag. Hvem skal da betale prisen for denne politikken? Det er mitt spørsmål til representanten Raja. Hvem skal jobbe mer og tvinges til å gjøre det? Hvem skal tjene mindre? Eller tror virkelig Venstre at såkalt fri lønnskonkurranse ikke presser flere familier ut i fattigdom eller dårlig råd? Det vil i så fall være en oppfatning som representanten Raja deler med svært få arbeidstakere, og som har lite hold i norsk velferdshistorie. Det kan hende det går saktere for representanten Raja i dag, men jeg forsto ikke helt spørsmålet. Men jeg hørte stikkordet «sosial dumping», og tenkte det helt sikkert ville dukke opp, så jeg har forberedt et kort lite svar. Venstre er enig i at det offentlige må kunne stille krav om at oppdragsgiver foretar en god og ordentlig vurdering før de inngår kontrakter, og at oppdragsgiver stiller krav om at deres kontraktører retter seg etter gjeldende lover og forskrifter. Det vi har stemt imot, er et regelverk der det pålegges alle oppdragsgivere å påse at underleverandører/leverandører utbetaler lønn, dekker et visst antall hjemreiser, kost og losji samt overholder allmenngjøringsforskriftens arbeidsbestemmelser For det første medfører dette en helt umulig situasjon for mange bedrifter. For det andre stiller det også en rekke rettssikkerhetsmessige problemstillinger med hensyn til hvordan en oppdragsgiver faktisk skal klare å godtgjøre en slik kontroll. Dette blir dessverre bare en symbolpolitikk uten reelt innhold og som har som eneste konsekvens at en rekke småbedrifter ikke kan legge inn anbud om oppdrag, fordi de ikke har ressurser, arbeidskraft til å utføre en reell kontroll, slik regelverket nå på papiret er. Det var ikke. Det får være tillatt. Da gir jeg ordet til Snorre Serigstad Valen til oppklaring. Det var kanskje et svar på et annet spørsmål om sosial dumping enn det jeg stilte, men jeg berømmer representanten Raja for hans ærlighet om at enkelte ting man sier i salen, er ferdig forberedt på forhånd, uavhengig av hva som blir sagt i debatten. Det bringer tanken min hen til et annet spørsmål som Venstre har unngått å svare på i løpet av debatten, og som jeg gjerne vil ha et svar på av representanten Raja. Det er at Venstre ønsker et borgerlig flertall, der Fremskrittspartiet med sin mildt sagt diffuse klimapolitikk inngår. Hvorfor vil Venstre gi Fremskrittspartiet en hånd på rattet i klimapolitikken? Hva er det som gjør at Venstre vil bytte ut et rød-grønt flertall som bruker milliarder til regnskog, CO2-håndtering og vern, med en borgerlig blokk som til stadighet fremmer forslag om å fjerne det de kaller de særnorske kravene om CO2-rensing, som vil svekke Norges klimaforpliktelser, ja, som til og med har problemer med å innrømme at menneskeskapte klimaendringer er et problem? Føler Venstre seg hjemme i selskap med Fremskrittspartiet i den borgerlige blokken? Hva er Venstre villig til å ofre?

man får fullt medhold i Venstres program, er det ikke noe i veien for å samarbeide med den ene eller den andre. Men det handler om hva slags politikk vi får gjennomslag for, og at det er vår politikk vi går til valg på. Det er det som også danner grunnlag for et eventuelt regjeringssamarbeid. Jeg har stor respekt og sans for representanten Rajas medfødte ærlighetslyte. Det gjør kanskje at han kan klargjøre sitt svar ytterligere. Jeg forsto representanten Raja slik at hvis ikke Fremskrittspartiet gir Venstre gjennomslag i alt fra spørsmål om innvandrings- og bistandspolitikk til andre spørsmål, vil ikke Venstre støtte en regjering der Fremskrittspartiet inngår. Betyr det at Venstre, i en situasjon med borgerlig flertall på Stortinget, heller vil vippe vektskålen den andre veien og søke samarbeid med sine rød-grønne venner som står langt nærmere Venstre i klimapolitikken? Grunnen til at jeg spør, er at til tross for at representanten Raja framstiller det som at SV ikke har hatt gjennomslag for klimapolitikk i regjering, så ligger vi jo lysår foran det Venstre utrettet da de, som et lite parti, satt i regjering. Jeg kan jo tenke meg at Venstre og SV fortsatt har mye til felles på det området. Vil Venstre gå til de rød-grønne istedenfor Høyre og Fremskrittspartiet hvis de ikke får gjennomslag for hele sitt politiske program, slik representanten Raja nå gir inntrykk av?

partiet. Hvem man skal samarbeide med og ikke samarbeide med, det tror jeg nok også representanten forstår at hører til makter over vararepresentanten. Men som jeg allerede nå har redegjort for, er det slik at det er umulig å inngå i et regjeringssamarbeid sammen med Fremskrittspartiet når avstanden er så stor når det gjelder miljøpolitikken, innvandrings- og integreringspolitikken, og når det gjelder den økonomiske politikken. Handlingsregelen er et godt stikkord for det. Eg har

er Venstre opptekne av miljø, har eit stort engasjement, og det gjer ein forskjell. Eg trur eigentleg at mange Venstre-folk og mange andre òg ser, når det er ei raud-grøn regjering, at for miljøets skuld er det bra om SV er med i den regjeringa. Eg tenkte eg skulle spørje representanten Raja på slutten av denne runden om følgjande: Dersom ein berre ser på miljøpolitikken – som trass alt er veldig viktig for både Venstre og SV og mange andre – er representanten Raja einig i at det er betre for miljøpolitikken at SV er i regjering enn at Framstegspartiet er i regjering? Det føles som et veldig merkelig spørsmål å svare på. Men jeg kan svare på om jeg synes det er bra at SV er i regjering. Det som er svaret på det spørsmålet, er at når det gjelder antallet miljøkameler som SV har måttet svelge i regjering sammen med Arbeiderpartiet, er det vel grenser for hvor mye de kan svelge videre før det bør bli uakseptabelt også for SV å bli sittende i en slik regjering. Når det gjelder Fremskrittspartiet, har vi fremdeles ikke fått svar på det grunnleggende spørsmålet fra lederen i Venstre, som stilte et spørsmål til Siv Jensen i dag tidlig – spørsmålet er blitt stilt to ganger tidligere – om klimaendringene er menneskeskapte. Så lenge Fremskrittspartiet ikke klarer å ta stilling til det spørsmålet, og ikke klarer å svare riktig på det spørsmålet, er avstanden milelang, og det er jeg glad for at representanten Solhjell forstår. Dermed er replikkordskiftet over. Like barn leker best, sies det i ordtaket. Men i mitt og ditt Norge er det like naturlig at ulike barn leker sammen. Det er

Den sterke kvinnedeltakelsen i arbeidslivet vårt løfter også samfunnets verdiskaping enormt. I Norge har vi en samfunnsmodell som står for endringsvilje, effektivitet og konkurransedyktighet både i med- og motvind. Den er framtidsrettet og byr på langsiktig økonomisk trygghet. trygghet. Nettopp disse elementene har bidratt til at vi her i Norge nå ikke går i streik mot høyere pensjonsalder eller mindre penger til skole og omsorg, slik flere andre europeiske land gjør. I vårt annerledesland har vi en fagbevegelse som tar ansvar og advarer regjeringen mot å bruke for mye penger i neste års statsbudsjett. Nettopp den samstemmigheten mellom LO og Arbeiderpartiet representerer selve hjørnesteinen i den norske modellen. LO-lederen, Roar Flåthen, oppfordrer til å bevare konkurranseutsatte norske arbeidsplasser framfor å kjempe for høyere lønninger og høye tilskudd til offentlig sektor, fordi det kan ramme næringslivets konkurranseevne. Vi i Norge har en hverdag de aller fleste ute i verden misunner oss. Jeg snakket i sommer med en høyt utdannet mann fra Pakistan. Han sa: Else-May, hvordan er det å være politiker i Norge, hvor det er så mange partier med så små forskjeller og hvor alt er så tilrettelagt og trygt? Hvordan er det å stå i en valgkamp og være visjonær i et slikt eventyrland? Svaret mitt er at vi i Norge var et av verdens fattigste land for hundre år siden. På grunn av at samfunnselementer som likhet, solidaritet og frihet vi år etter år bedret levekårene til det norske folk. Men fortsatt har vi samfunnsoppgaver vi ønsker å løfte. Fortsatt vil vi jobbe for å få dem som står utenfor arbeidslivet, til å komme inn i det. Fortsatt skal vi få flere kvinner over fra deltidsarbeid til heltidsarbeid. Fortsatt skal vi lete etter de beste teknologiske løsningene for å bygge kompetanse og utvikle produkter som kan erobre de internasjonale markedene. Fortsatt skal vi i Arbeiderpartiet kjempe mot de høyrekreftene som er troende til å sløse bort den helhetlige rammen vi har bygd opp. Om det kan høres ut som om det er små politiske forskjeller mellom partiene i Norge, vil jeg si at vi velger svært ulike løsninger, som bidrar til store forskjeller i folks hverdag. Jeg frykter Høyres forskjellspolitikk. Der de fortsatt ønsker å ha rammer i arbeidslivet som forfordeler far, og som ikke løfter en finger for likelønn, vil vi gjøre det motsatte. Jeg frykter Fremskrittspartiets egoistiske politikk. Der de vil ha kortsiktige vinninger, som kan sende hele landet tilbake på fattigkassen, vil vi ha langsiktig trygghet for folks livsinnhold og økonomi. Jeg er stolt av det ansvaret Arbeiderpartiet har tatt gjennom å lede dette landet i store deler av den over hundre år lange oppbyggingstiden. Det går bra, men vi er ikke vaksinert mot de utfordringene som ligger framfor oss. Finanskrisen har gjort sitt inntog i en hel verdensøkonomi, og det er grunn til å frykte en «double dip» fortsatt. Land etter land sliter med å komme på skinner igjen. De knallharde prioriteringene de høyrestyrte landene i Europa nå styrer etter, er lite populære blant folk. Stoltenberg-regjeringen har derimot levert tiltak etter tiltak, som har bidratt til å holde hjulene i gang både i offentlig og privat sektor. Den siste tiltakspakken regjeringen kom med, var verftspakken for maritim næring, som kom på hele 10,2 mrd. kr og økte fleksibiliteten i virkemiddelapparatet, noe som næringen har stort behov for. Nå går det den næringen, heldigvis. Den norske modellen har faktisk bidratt til folks framtidsoptimisme i mange tiår. Den har bidratt til små sosiale forskjeller, lav ledighet, lav prisstigning, god næringsutvikling, økt produktivitet og økonomisk vekst. Problemet for høyresidens forhold til denne modellen er at den er svært sammensatt og hviler på pilarer som gode velferdsordninger, betalt av et relativt høyt skattenivå og en sterk offentlig sektor. Det er fokuset på å skape for å dele som er vår essens – ikke Høyres essens: skape for så å la-oss-beholde-alt-selv-prinsippet, som de legger til grunn. Jeg er oppriktig redd for høyresidens populistshopping fra denne samfunnsmodellen, fordi de tydeligvis ikke ser helheten. Jeg ble ikke særlig beroliget, heller, etter å ha hørt representantene Solberg og Jensen

eller fylkesting. Eller er det slik at den virkelighetsbeskrivelsen vi ser i medier rundt omkring, er feil, når man viser til kommuner som sliter med å gi sine innbyggere kvalitativt gode helsetilbud, når man ser kommuner som sliter med å gi gode skoletilbud, når man ser kommuner som ikke har full barnehagedekning der det er ønskelig? Det gjelder ikke bare i borgerlig styrte kommuner, det gjelder visselig til de grader i kommuner styrt av de rød-grønne. Da er spørsmålet: Er det en feilaktig beskrivelse? Eller er det ikke slik? Er det en illusjon at Kommune-Norge sliter? Jeg tror svaret gir seg selv: Nei, det er det ikke. Jeg tror det er mange ordførere fra de rød-grønne partiene som ikke ser lystelig fram mot det som skal skje i morgen, fordi de er ganske klar over at også morgendagen kommer til å gi dem store utfordringer – utfordringer på toppen av de utfordringer de allerede Samtidig skal jeg være såpass raus at jeg skal gi honnør til representanten Svein Roald Hansen, som jeg faktisk synes var etterrettelig også i den delen hvor han beskriver de utfordringene som jeg har pekt på. Han brukte andre ord enn meg, men også han erkjenner at det faktisk er sånn. Jeg tror at politikere som har evnen til å ta det inn over seg og være ærlige i sin beskrivelse av det man ser, kommer lenger og vil ha et bedre forhold til sine velgere enn dem som definerer en sannhet som er politisk korrekt, uavhengig av hvordan ting oppleves ute. Så noen ord om Forsvaret og sikkerhetspolitikk. Det er sånn at antakeligvis er den tøffeste og vanskeligste sikkerhetspolitiske utfordringen vi har, Afghanistan. Vår deltakelse der koster alt fra store økonomiske beløp til folk som gir det ytterste, som mister livet sitt gjennom handlinger der nede. Samtidig synes jeg ikke vi er flinke nok til å gi honnør til alle de jentene og guttene som er der nede, og som gjør en innsats, som har en ambisjon om å gjøre Afghanistan til et bedre land å bo i, til å bidra til at Afghanistan skal bli et velfungerende demokrati. Det vil ta lang, lang tid før det blir et demokrati i forhold til det vi er vant til. Men ethvert bidrag som kan gjøre Afghanistan bedre, er et riktig bidrag. Og i så måte mener jeg at det vi gjør gjennom ISAF og andre norske bidrag, er veldig positivt. Derfor blir jeg veldig lei meg når jeg ser den debatten som har vært nå, hvor det blir når jeg ser den debatten som har vært nå, hvor det blir påstått at holdningene til enkelte av soldatene våre der nede er feilaktige, og at vi skal ha noen «triggerhappy» soldater som er mer opptatt av å ta livet av folk fra Taliban, enn å bygge nasjonen Afghanistan. Jeg synes det er trist, jeg synes det er leit, og jeg synes det er skuffende, spesielt av forsvarsministeren, på en måte å gå ut og si at sånn er det. Hva slags sannhetsgehalt er det nødvendigvis i et VG-oppslag? Jeg har jo mer enn én gang i denne salen hørt folk som har påberopt seg at VG ikke nødvendigvis er det mest etterrettelige presseorganet vi har her i landet. Men her går man altså ut, og så stempler man stort sett den norske kontingenten. Det synes jeg er trist. Jeg synes det er leit, og jeg synes det rammer alle dem som er der nede, og som ønsker å gjøre en jobb. De trenger honnør. De trenger støtte, fordi de er villig til å ta en risiko som ingen av oss andre gjør. Vi kan sitte her og gjøre vedtakene våre og være fornøyd med det etterpå. Men det er få her som blir utsatt for den ultimate trusselen om i verste fall å miste livet sitt gjennom et politisk virke. Det er realiteten for enkelte av dem som er der nede. I så måte synes jeg det er leit å høre denne type angrep på dem vi har i Afghanistan. Et annet moment som jeg også synes er viktig å ta med seg i denne saken, er veteranene våre, de som har tjenestegjort i ulike internasjonale operasjoner ute. Er vi flinke nok til å ta vare på dem? På nytt igjen tror jeg svaret vil være nei hos de aller, aller fleste hvis man spør. Jeg sier ikke at ikke regjeringen gjør ting for at det skal bli bedre, for det gjør man. Spørsmålet vil være: Er det nok? Eller vil det måtte være sånn at vi må ha en tragedie på hjemmebane før vi tar inn over oss alvoret? Det har skjedd i andre land, der folk som har vært i strid og hatt tøffe opplevelser, faktisk begår handlinger mot seg selv og andre i vært i strid og hatt tøffe opplevelser, faktisk begår handlinger mot seg selv og andre i sitt nærområde. Må vi dit før vi innser alvorlighetsgraden i dette og iverksetter de tiltakene som trengs? Jeg håper for alt i verden at det ikke skjer. Men jeg er bekymret for at vi ikke har det nødvendige fokuset på denne gruppen, som, på grunn av det de har opplevd, kommer til å stå i traumatiske situasjoner i store deler av livet sitt. De er avhengige av at vi er like behjelpelige på den siden som da de dro ut. Når

Når eg ser utover det 155. norske storting, og tenkjer på alle nasjonalforsamlingar som tek sete verda rundt, er det freistande å gjere Göran Persson sine ord til mine: Dei ville alle gjerne byte med dykk, byte eige lands arbeidsløyse med ei sysselsetjing som er den høgaste i Europa, byte eige lands veksande statsgjeld med oljefondet vårt, hatt våre moglegheiter på tilgang til naturressursar, og ikkje minst ei befolkning som har ein arbeidsproduktivitet 46 pst. høgare enn gjennomsnittet i EU. Det er dei kompetente og arbeidsame menneska som er den verkelege rikdomen i Noreg, ein rikdom som me skal foredle gjennom å styrkje skulen slik at alle kan delta med sine evner, og som me skal utvikle gjennom ei målretta satsing på innovasjon og nyskaping, som skal leggje grunnlaget for framtidig velstand og velferd. Noreg har kome gjennom finanskrisa på ein langt betre måte enn land me kan samanlikne oss med. Er det tilfeldig? Nei. At me har styrt med streng dosering av oljepengar i vekstperiodar, gav oss handlingsrom til å setje inn tiltak med rett styrke til rett tid då krisa slo inn i norsk økonomi. «For lite, for seint», var Høgre sitt mantra då. No trur eg me kan vere samde om at regjeringa, med dåverande finansminister i spissen, trefte godt – i rett tid. Alle menneske treng å verte sette og få bidra med sine ressursar. Alle treng å kjenne tryggleik og nærleik. Senterpartiet deltek i den raud-grøne regjeringa for å bidra til å skape eit samfunn der enkeltmenneske får brukt sine evner for å byggje gode nærmiljø og arbeidsplassar landet rundt. Regjeringa sin politikk betyr ein forskjell for folk i dette landet. For å byggje dei trygge nærmiljøa med gode barnehagar, skular, eldreomsorg, kreative kulturarrangement og spennande arbeidsplassar er kommunane heilt sentrale. Første halvår 2010 var det 70 000 fleire som arbeidde i dei norske kommunane enn det var fyrste halvår av 2005, førskulelærarar og lærarar, helse- og omsorgsarbeidarar, næringsutviklarar og mange fleire, menneske som kvar einaste dag gjer ein kjempejobb for at akkurat deira kommune skal vere ein god stad å bu og og drive næringsverksemd i. Nærleik til barnehage, skule, helse- og omsorgstenester og lensmann betyr tryggleik. Folk må vite at om dei vert sjuke, er det ikkje langt til sjukehuset, dei må vite at barna ikkje må sitje på skulebussen kvar dag på ein rasutsett veg, og dei må vite at når dei treng hjelp, stiller politi og lensmann opp. Me er opptekne av at folk skal Difor må me satse på lokalsjukehus og lokalmedisinske senter, nærskule og lokalpoliti i heile landet. Nasjonal helseplan skal debatterast i denne sesjonen, ei viktig stortingsmelding for innbyggjarane over heile landet. Alle skal ha tilgang på spesialisthelsetenester av høg kvalitet, uavhengig av bustad og personleg økonomi. Nærleik til helsetenester er òg berebjelken i Samhandlingsreforma. Eg tykkjer det er flott når det distriktsmedisinske senteret i Valdres samarbeider med Sjukehuset Innlandet om tenester knytte til dialyse, hudlege, augelege, hjartespesialist og gynekolog. Dei brukar moderne teknologi slik at senteret kan ha ein tett dialog med spesialistar. Dei gjennomfører 2 500 røntgenkonsultasjonar årleg på senteret på Fagernes. Det vil me sjå meir av. Derfor skal me gjennomføre Samhandlingsreforma, ei reform som skal setje førebygging i førarsetet og gi innbyggjarane eit betre helsetilbod. Som statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet kan eg få reise landet rundt og treffe mange av dei som bur og verkar i dei lokalsamfunna som utgjer dette fantastiske landet. Eg nemnde at eg var i Finnmark. Finnmark er no det fylket i Noreg Det bidreg med arbeidsplassar, det gjer noko med korleis me ser på Finnmark, og ikkje minst gjer det noko med korleis folk i Finnmark ser på seg sjølve. Regjeringa vil styrkje ei slik utvikling. Me vil byggje landet vidare, og då trengst det ei raud-grøn regjering. Eg trur ikkje at Høgre og Framstegspartiet ville ha auka dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla med over 50 pst., slik me har gjort. Eg trur heller ikkje dei ville ha løyvd ein halv milliard kroner til breiband, og eg veit at dei ikkje ville ha kjempa for å få ført inn att differensiert arbeidsgivaravgift, slik me har fått til.

med innsatsen så langt, og me skal vidare! Det blir replikkordskifte. Kommunalministeren seier ofte at regjeringa og kommunalministeren er opptekne av lokal sjølvråderett. Det er jo ikkje alltid det gjeld. Når det gjeld monstermaster, når det gjeld lokalsjukehus, når det gjeld strandsona, verkar det ikkje alltid som – i alle fall ikkje på dei lokalpolitikarane eg har kontakt med – ein føler at ein har stor lokal sjølvråderett. I dagens Bergens Tidende kjem ein med eit eksempel på ei eldre dame som blir nekta tilgang til sitt eige øyparadis. Ho er blitt lam og får altså ikkje lov til å etablere ei flytebryggje, som er nødvendig for at ho skal kome seg til dette øyparadiset. Det er fylkesmannen som her set foten ned. Lokalpolitikarane i denne kommunen har eg snakka med i dag, og dei seier at dei er fortvila. Dei føler at dei er fråtekne kvar moglegheit til å styre strandsona, og at fylkesmannen set foten ned, uansett. Er dette ein politikk kommunalministeren er fornøgd med? Eg kjenner ikkje den enkeltsaka som det vert vist til frå representanten si side, og eg vil heller ikkje gå inn og kommentere enkeltsaker. Regjeringa ynskjer ein differensiert strandsonepolitikk, og det jobbar vi med. Det veit kommunane landet rundt at regjeringa står for. Me skal ikkje ha den same politikken i spreiddbygde kystområde som me har i Oslofjorden, der presset på strandsona er enormt. Enkelttilfelle, kor det er og korleis det er utforma, kan eg dessverre ikkje Men det er jo viktig at fylkesmannen brukar sitt sunne skjøn og slik sett òg kan leggje til rette for at dei som har behov, får stetta det behovet som det kan høyrast ut som om vedkomande har her – utan at eg vil gå meir inn på Statsråden tok oss med på en reise i Norge, med de fantastiske mulighetene vi har. Jeg er enig med statsråden i beskrivelsene. Hun brukte også en del tid på Samhandlingsreformen, som er en spennende reform som nå skal iverksettes. I den sammenheng

24. juni sa et enstemmig hovedstyre i KS – tidligere Kommunenes Sentralforbund – nei til regjeringens forslag om samkommune. Da blir spørsmålet mitt til statsråden: Vil regjeringen fremme et forslag om samkommune så lenge kommunene selv går imot denne reformen og mener at den er udemokratisk? Me arbeider for tida med å gjere oss ferdige med Det har vore eit stort engasjement, og det går i begge retningar. KS har som sagt av representanten vendt tommelen ned. Det er jo sider ved samkommunemodellen som bør og skal diskuterast – både positive og mindre positive. Så må regjeringa til slutt gjere eit vedtak og kome med ei sak til representanten og til Stortinget som me skal diskutere her i neste omgang. Som eg viste til i innlegget mitt, evnar jo òg kommunane å finne fram til gode løysingar, uavhengig av vertskommunemodellar og samkommunemodellar. Både Ørland, Valdres og Alta – dei tre nemner eg, for eg har vore der i haust – er glitrande eksempel på at ein evner å byggje opp gode, lokale tilbod som gjer at folk sparar reiseveg, og som gjer at me totalt òg sparar kostnader. Først vil jeg si at jeg kunne ønsket meg litt større ydmykhet fra de rød-grønne statsråder og

av forbruksvarer og andre varer til andre deler av verden. Det er jo de som betaler prisen for at vi kan ha en såpass høy offentlig sysselsetting som vi har. Det krever en noe større ydmykhet fra oss. Spørsmålet mitt til Senterpartiets leder og statsråden dreier seg om at det i dag av mange av talerne i debatten er tegnet et bilde av at den store velferdsdebatten i Norge handler om ett alternativ på venstresiden og ett på høyresiden. Spørsmålet til Senterpartiets leder blir da: Siden Senterpartiet ofte har vært enig med Kristelig Folkeparti i at de beste løsninger ligger i sentrum, er Senterpartiets leder bekvem med at det bildet skal stå igjen etter dagens trontaledebatt? Berre ein liten kommentar til det fyrste innspelet: Det er klart at i eit høgkostland som Noreg vil det vere naturleg at det er dei meir komplekse arbeidsoppgåvene som vert gjorde her. Det er rett at ein del av dei mindre komplekse oppgåvene er «outsourca», som det vert sagt, men me har framleis, heldigvis, ein levande og flott industri i Noreg som me skal byggje vidare på. Og så er eg, til liks med representanten, oppteken av at me skal ha eit sterkt sentrum. Eg meiner det er der dei beste løysingane finst, og eg meiner at dei beste løysingane finst i ei sentrum–venstre-løysing, der Senterpartiet er. Kristeleg Folkeparti valde høgresida, valde å gå inn saman med Venstre og Høgre i ei Høgre-dominert regjering. Me meiner at det ikkje er der dei beste løysingane finst for fordeling, for frivilligheit, for å vise både nasjonal og internasjonal solidaritet. For å lyfte alle tenkjer eg at me finn betre løysingar i sentrum–venstre. Eg meiner at dei fem åra me har vore der, viser at me har ein god sentrumsprofil i ei

godkjenne. Da er spørsmålet mitt: Når nå Arbeiderpartiet snakker om kommunesammenslåing for å få til velferd for framtida, er det helt i tråd med det som også Venstre har sagt, at hvis man skal klare å holde vår kommunale velferd, hvis vi skal klare å holde vårt lokaldemokrati, hvis vi skal klare å få dyktige fagfolk ut i kommunene, er enhetene vi i dag har, for små til å takle en ny kompetansekommune, som er det vi trenger i framtida. Så til spørsmålet mitt: Når statsråden trives så godt i samarbeid med Arbeiderpartiet, deler man også Arbeiderpartiets tanker på det området? Me er heilt einige i regjeringa om at kommunesamanslåingar skal vere frivillige. Der det står på og Mosvik i Trøndelag. Der er det to senterpartiordførarar som har funne ut at det tener dei og framtida for dei kommunane. Det synest eg er strålande. Me har hatt god dialog heile vegen, og det har me òg hatt med andre som tenkjer i dei banane. Eg meiner at dette er likt fordelt. Ein greier godt å tenkje gjennom dette ute. Så var det interessant å lese Kommunal Rapport for kort tid tilbake. Dei har laga eit barometer over kommunar som har best På skulesida var det Flatanger som kom høgt opp saman med nokre andre små kommunar. På helse var Ørlandet høgt oppe saman med andre små kommunar. Slik kan ein ta område etter område. Det var faktisk slik at dei mindre kommunane skåra høgst. Forklar det den som kan – ikkje så rart for meg som reiser rundt og møter desse og ser at dei evner å løyse oppgåvene sine, oppgåvene sine, anten åleine eller i tett og godt samarbeid med nabokommunane. Så vel nokre å slå seg saman, og det er heilt ok. Replikkordskiftet er omme. I likhet med regjeringspartiene skal jeg snakke om Høyres politikk. Jeg har bare lyst til å avlegge partilederne en liten visitt. Jeg hørte tidligere i dag at det jeg hadde ment for fem–seks år siden, ble sammenlignet med det Audun Lysbakken mente. Det vil jeg ha meg frabedt, for så ytterliggående har aldri jeg noen gang vært. Arbeiderpartiet har bestemt seg for at det er tre ting som definerer den norske modellen, og bare tre ting. Noe av dette er jo riktig. Det er viktig med moderate skatter. Det er viktig at skattene ikke er for høye, og det er viktig at de ikke er altfor lave. regner med at førstnevnte er grunnen til at regjeringen har beholdt skattenivået – de 23 milliardene i skattelettelse – fra Bondevik II-regjeringen. Det er viktig med ansvarlige arbeidstakere, og det er viktig med ansvarlige arbeidsgivere. Det er utrolig viktig at noen fellesgoder er tilgjengelig for alle, uansett inntekt, som skole og helsevesen. Vi skal ikke ha amerikanske tilstander i Norge. Men så er det på den annen side mindre viktig hvem det er som faktisk leverer tjenesten. Min innvending er at av og til når Arbeiderpartiet snakker, høres det ikke ut som om de egentlig snakker om den norske modellen eller det norske fellesskapet, men om den norske staten. Og så glemmer de at fellesskap er jo noe mer enn staten. Det som gjør Norge til et godt land å bo i, er jo ikke bare disse tre tingene som Arbeiderpartiet har bestemt skal være den norske modellen. La meg ta noen eksempler. En av nestorene i norsk samfunnsvitenskap, Stein Rokkan,

I en undersøkelse nylig kom det fram at Norge var det landet i verden som hadde best beskyttelse av eiendomsretten. Jeg tror det er ganske avgjørende for den norske modellen. Vi har modernisert Norge de siste 30 årene. Vi har modernisert industrien vår, og vi har modernisert offentlig sektor. Ikke minst var 1980-tallet avgjørende. Thorbjørn Jagland, som er en ikke ukjent arbeiderpartipolitier, sa at hvis det ikke var kommet en modernisering på 1980-tallet, ville systemet eksplodert. Når Thorbjørn Jagland sier det, antar jeg det også er fordi han, etter at han har gått av som statsminister, ser at flere partier har vært med på å bygge den norske modellen. Hører man på dagens arbeiderparti, skulle man tro at lysene ble slukket omtrent hver gang Arbeiderpartiet var ute av regjeringskontorene. For ikke å snakke om at den norske modellen er avhengig av en åpen økonomi, sterke bedrifter, trygge arbeidsplasser. Vi har i dag fått høre at det er fordeling som har løftet Norge fra å være et av verdens fattigste land. Men det å fordele fattigdom er ikke spesielt attraktivt. Verdiskapingen vår har selvfølgelig også vært avhengig av politikk, men først og fremst kan vi takke gründere, bedriftseiere, de som har satset – og arbeidstakerne, som jobber, står på og er oppe og bidrar. Jeg tror alle de er opptatt av det samme som Høyre, nemlig at skattepengene brukes best mulig. Når en arbeidstaker betaler inn skatt – høy skatt – år etter år etter år, hjelper det lite at vi sier at Norge er verdens beste land å bo i, slik det jo er, hvis helsekøene samtidig øker, eller datteren hans, som går på skolen, ikke får den undervisningen hun har krav på. Men det aller, aller viktigste med den norske modellen, eller for den norske velferden, er jobb og arbeid. Det må lønne seg å jobbe. I dag er det slik at den norske modellen lekker. Hvert eneste år faller tusenvis av mennesker ut av arbeidsmarkedet vårt, ikke bare de som har jobbet og stått på i mange tiår, enten det er bak kassa eller i industrien, men unge mennesker faller ut av arbeidslivet vårt hvert eneste år. Nesten 800 000 mennesker i arbeidsfør alder Høyre har kalt det for «utenforskapet» og sagt at det er den største velferdsutfordringen vi står overfor. Er man for syk til å jobbe, skal man selvfølgelig ikke jobbe. Man skal ha skikkelige ordninger for det. Problemet er at dagens politikk støter flere mennesker ut istedenfor å ta flere mennesker inn. Det har vært symptomatisk for dagens debatt at istedenfor å diskutere hva som skjer i dag, diskuterer man det som skjedde i 1994 eller 1954. I dag er det altså flere mennesker som står med lua i handa, enn for 40 år siden. Det er bare det at i dag står de med lua i handa på

med å snakke om eldreomsorg. Hun kunne fortelle oss at konkurranse har gitt gode resultater på alle områder. Alle områder! Da er det slik at nok en gang må noen ta på seg oppgaven med å minne om at Fremskrittspartiet faktisk styrer eldreomsorgen i Oslo, og Oslo er altså verdens beste eksempel på at konkurranse Jeg husker veldig godt en episode fra valgkampen. Da var Siv Jensen på besøk på Ammerudhjemmet. Der var det 36 eldre som bodde på tomannsrom. En av dem var Ester Sigvartsen på 103 år, som Siv Jensen snakket med. Hun syntes ikke det var spesielt stas å dele rom, ligge bak et forheng og ikke ha noe vindu. «Jeg synes dette er helt uverdig», sa Siv Jensen. Og da NRK-journalisten konfronterte Siv Jensen med at da er det kanskje Høyre og Fremskrittspartiet som ikke har gjort jobben sin i Oslo, svarte hun: «Nå er jo ikke dette et sykehjem som er eid av kommunen.» Den uttalelsen er uttrykk for den totale ansvarsfraskrivelse. Antakelig var det en forsnakkelse fra representanten Jensen, men den avslører hva dette privatiseringsprosjektet egentlig dreier seg om. Det var én episode, men tendensen i Oslo er tydelig. Kvaliteten ved de sykehjemmene som har blitt konkurranseutsatt, har ikke gått opp. Brukerundersøkelsene er tydelige på det. Kvalitetsundersøkelsene er tydelige på det. Eldreombudet i Oslo leverer årlig rapporter, hvor det hvert år sies at det blir vanskeligere og vanskeligere å være gammel i Oslo, at terskelen for å få en sykehjemsplass blir høyere og at de som bor på sykehjemmene, blir sykere og sykere. Til alt overmål har antall sykehjemsplasser i Oslo gått ned etter at Fremskrittspartiet tok over ansvaret. Så er det mange i debatten – Røe Isaksen som den siste – som har vært opptatt av de ideelle aktørene. Jeg opplever at Kristelig Folkeparti har et genuint engasjement for de aktørene. Det er verdt å merke seg at flere og flere ideelle aktører i Oslo legger inn Ensjøtunet, som ble drevet av Frelsesarmeen, er et godt eksempel på det – i Oslo, som Høyre og Fremskrittspartiet styrer. De sier at de er blitt dårlig behandlet av byrådet, at det er usikre rammebetingelser som har gjort det umulig å fortsette. Og så later man som om man kompenserer redusert antall sykehjemsplasser med at man har så innmari flotte hjemmetjenester! Det stemmer ikke, og det bringer meg over på et annet viktig poeng som har gått igjen i denne debatten, og det er det som dreier seg om byråkratisering. Vi blir beskyldt for å være byråkratiske, for å være stivbeinte, for å være redde for private aktører, og det sies at brukerne lider under det. Jeg er enig i at man alltid skal ha et kritisk blikk på byråkratisering og unngå unødvendig byråkrati. Men i hjemmesykepleien har altså Høyre og Fremskrittspartiet innført den såkalte bestiller/utfører-modellen, som er den verste byråkratiseringen av eldreomsorgen som jeg noensinne har sett. Da gjør kommunen et vedtak, og så er det meningen at brukeren skal kunne velge utfører. Det krever en mølle av vedtak, av kontraktskriving og av kontroll med at disse kontraktene blir fulgt opp, og nye vedtak hver eneste gang Vestre Aker bydel har vært forsøksbydel for denne modellen. De rapporterer at de har fått 1 mill. kr ekstra i administrasjonskostnader – og nå skal alle bydeler i Oslo innføre dette systemet. Det blir de tvunget til. Da er vi altså i den totalt absurde situasjon at bydelene setter av penger for å kunne møte de økte administrasjonskostnadene som dette fører med seg. Fremskrittspartiets eldreomsorg i Oslo er et luftslott. Det er mange fine ord: Omsorg Pluss, som egentlig bare er trygdeboliger med ny logo, uten omsorg. Sykehjemsplasser i Spania har endt med 35 mill. kr ut av vinduet, mistanke om korrupsjon, en knusende rapport fra kommunerevisjonen og en tomt i Altea som man ikke kan bygge noen ting på, fordi den er regulert til landbruksformål. Dette er Fremskrittspartiets eldreomsorg, ikke slik som jeg beskriver den, men slik som 103 år gamle Ester på Ammerudhjemmet har beskrevet den, slik som kommunerevisjonen har beskrevet den, og slik som Eldreombudet i Oslo har beskrevet den. Rikets tilstand har kommet tydelig fram i sommerens aviser. Disse har vært fulle av tragiske hendelser, av historier om mangler innen helse og omsorg og historier om folk som ikke blir sett. Vi kunne lese om for få behandlede pasienter, lengre ventelister og underskudd i helseforetak. Vi kunne lese om stengte avdelinger og nedleggelser av lokalsykehus. Og vi kunne lese om fakkeltog og protester fra organisasjoner og enkeltmennesker alt dette fordi 260 000 mennesker står i helsekø, og fordi regjeringen ikke har noen forslag til løsning. Vi kunne lese om fylkesmannen i Akershus som var alvorlig bekymret for barnevernet. Vi kunne lese om en 15 år gammel jente som døde av en overdose under barnevernets omsorg. Statsråd Lysbakken kom i den sammenheng med den lyse ideen at barn under barnevernets omsorg som ikke hadde vært i befatning med rusmidler, skulle plasseres på egne rusfrie institusjoner. Som mangeårig medlem av Billighetserstatningsutvalget, synes jeg dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Erstatningssaker i tusentall flere tiår tilbake i tid forteller om barn som lærte å ruse seg under opphold på barnevernsinstitusjoner. At regjeringen ikke har oppfattet dette før i 2010, er ikke mindre enn håpløst. I VG 6. august sier imidlertid Lysbakken at han vil styrke rusarbeidet i barnevernet, men håpløst nok vil han ikke bevilge penger til det. Tidligere har helseministeren sagt at hun vil prioritere de unge rusmisbrukerne, også dette uten å bevilge ekstra. Avisene har gjennom sommeren skrevet side opp og side ned om nyrekruttering til rusmiljøene, stengte kontorer, at man legger ned flere avrusningsplasser enn det som blir opprettet, overdosedødsfall, nærmere 5 000 i behandlingskø og nedlagte behandlingsplasser. Det er som å stå i en myr. Vi synker lenger og lenger ned, og folk mister troen på sine drømmer. De får sine liv ødelagt, eller de dør. Stoltenberg-utvalget har pekt på akkurat det samme som Fremskrittspartiet har gjort i årevis. Rusomsorgen henger ikke sammen. Tilbudet er fragmentert, og de ulike nivåene bruker mye energi på å slippe å ta regningen. Stoltenberg-utvalget foreslår derfor statlig finansiering av hele behandlingskjeden, og Fremskrittspartiet ønsker dette veldig velkommen. Psykisk helse sliter også. Tilbudet bygges ned. Det skjer på alle nivåer over hele landet – ikke på grunn av mangel på vilje, men på grunn av mangel på finansiering fra regjeringen. I Dagbladet 2. august kunne vi lese om en alvorlig psykisk syk som ble sendt hjem på grunn av manglende bevilgninger i forbindelse med ferieavvikling. Vedkommende var ikke alene. Mangel på helhetlig tilbud innen psykisk helse samt mangel på lavterskeltilbud øker bruken av tvang, viser en rapport utgitt av Rådet for psykisk helse. Rapporten viser store geografiske forskjeller, og Fremskrittspartiet anser dette som et problem fordi man skal ha lik rett til helsehjelp over hele landet. Rapporten viser også at det ikke er funnet tegn på at lite tvang betyr at mennesker som egentlig trenger hjelp, ikke får det. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på at psykiatrien bygges ned dag for dag. Vi må videreutvikle samarbeidet innen kommunenes helsetjenester, og vi må sørge for rask og fleksibel respons når fastlege eller pårørende eller personene selv Fremskrittspartiet vil ha en slutt på at vi sier til mennesker som ber om hjelp, at du ikke er syk nok. Først da kan vi oppnå lavere tvangstall, færre langtidssyke, færre dødsfall og færre på uføretrygd. Trontalen ga ingen stor optimisme for helsevesenet i 2011, og regjeringen innrømmer sjelden at utfordringene er enorme. siste året har regjeringen vært svært opptatt av å fortelle at pengebruken nå må strammes inn. Det er derfor med stor bekymring jeg imøteser morgendagens budsjett. Det er de syke, de psykisk syke og de med rusproblemer som utgjør den dominerende gruppen av dem som betegnes som fattige i Norge. Sykdom og fattigdom henger tett sammen. Siden regjeringen har sagt at den vil avskaffe fattigdommen, kan ikke disse menneskene nok en gang bli regjeringens salderingspost. Økt fokus på pleie og omsorg vil være en av Fremskrittspartiets viktigste kamper i 2011. For en tid siden ble Norge igjen kåret til verdens beste land å bo i. Det er

Gjennom et felles helsevesen kan alle få lik rett til medisinsk behandling. Gjennom en felles folketrygd kan alle få økonomisk sikkerhet ved arbeidsledighet, ved uførhet og alderdom. Dette fellesskapet er resultatet av politisk vilje, av politisk kraft – i stor grad av arbeiderbevegelsens vilje og kraft, ofte, som nå, i et samspill med sentrum. Selvsagt har petroleumsinntektene betydd mye, men velferdsstaten bygger først og fremst på arbeid, på vår felles verdiskaping og på høy yrkesdeltakelse. Derfor har arbeid for alle alltid vært et hovedmål. Arbeid betyr mye for hver enkelts inntekt og velferd. Men arbeid er også avgjørende for vår felles velferd. Høy yrkesdeltakelse gir skatteinntekter som kan betale for bedre skole og bedre sykehus, og høy yrkesdeltakelse gir flere hender til å utføre de oppgavene som skal løses. Vår velferd er derfor også i stor grad bygd på viljen til likestilling mellom kvinner og menn – på høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Også derfor er likestilling viktig. Så merket jeg meg at Høyres leder i debatten tidligere i dag skrøt av den økonomiske veksten i det høyrestyrte Sverige. Ja, i 2005–2010 hadde Sverige en vekst på 6,5 pst., men veksten i Fastlands-Norge – jeg understreker Fastlands-Norge – antas å være 13 pst. i den samme perioden, altså dobbelt så mye. Arbeidsledigheten i Sverige i den samme perioden har hele tiden, fra 2006, vært om lag dobbelt så stor som i Norge. Det norske velferdssamfunnet er en stor suksess. Den norske velferdssamfunnet er en stor suksess. Den norske og den nordiske modellen er en stor suksess – en seier. John F. Kennedy sa en gang at seire har en tendens til å trekke til seg mange fedre. Også høyresiden vil nå ha del i farskapet. Men da er det nok riktigere når VG skriver at Høyre gikk inn i velferdsstaten baklengs, motvillig og på krykker. Vel så viktig er det likevel at Høyre og Fremskrittspartiet vil svekke viktige elementer i denne modellen – Fremskrittspartiet i større grad enn Høyre, ja, men Høyre vil være avhengig av Fremskrittspartiets støtte og påvirkning for å få flertall for en slik politikk. Viljen til å forsvare og forbedre velferdssamfunnet er spørsmål om veivalg. Vi må velge velferd eller skattelette. Høyre og Fremskrittspartiets ønske om å fjerne formuesskatten betyr ikke bare at noen av landets absolutt rikeste vil bli nullskatteytere. Vel så viktig er det at penger som tilsvarer driften av 15 000 sykehjemsplasser, heller blir gitt som skattelette til de aller rikeste. Vi må velge fellesløsninger eller privatisering. Høyre og Fremskrittspartiets ønske om flere private skoler vil ikke bare skape større forskjeller i skolen. Vel så viktig er det at den felles skolen er noe av det sterkeste limet vi har i det norske samfunnet. Den skaper fellesskap og mindre konflikt, men dette fellesskapet vil Fremskrittspartiet og Høyre svekke. Regjeringen velger motsatt. Vi vil styrke velferden – ha bedre eldretjenester, bedre skole og bedre sykehus. Derfor vil vi ikke gi skattelette. Vi vil styrke fellesskapet og slå ring om fellesskolen. Derfor sier vi nei til privatisering av skolen. Vi vil styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet og trekke sammen med arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Derfor vil vi gå mot å svekke arbeidstakernes rettigheter. Den norske modellen er ikke et upolitisk felles tankegods. Elementene i modellen er skapt i strid og skaper fortsatt politisk strid. Derfor er det også strid om veivalgene, og regjeringen og de mørkeblå velger ulik retning. Det blir replikkordskifte.

Så hører jeg statsråd Schjøtt-Pedersen her si at Arbeiderpartiet skal øke velferden innenfor helse. Man skal øke innenfor eldreomsorgen. Man skal øke innenfor skole. Man skal øke innenfor infrastruktur. Ja, man skal øke på samtlige områder. Hvis det henger sammen det som Arbeiderpartiets representanter påstår i forhold til hvordan skal da Arbeiderpartiet og denne regjeringen greie denne økte satsingen på velferd når man ikke skal øke skatter og avgifter? På samme måten som denne regjeringen har økt velferdsnivået i de fire årene som er gått – gjennom et klart valg hvor vi velger velferd framfor skattelette. Vi har ikke økt skattene. Vi har sagt at vi skal holde dem på 2004-nivå slik vi lovet før forrige valg. Men innenfor det økonomiske handlingsrommet vi Men innenfor det økonomiske handlingsrommet vi da har, har vi valgt å styrke velferden gjennom en kraftig vekst i kommunesektorens økonomi, en kraftig vekst i antall sysselsatte i kommunesektoren, som også har gjort det mulig å løse flere oppgaver i helse og omsorg og innenfor skolen, for å nevne noen eksempler. Ja, som følge av det har vi også løst oppgaver knyttet til full barnehagedekning. Vi har styrket timetallet i skolen. Vi har ansatt flere innenfor helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne typen valg – hvor vi velger å styrke velferden framfor å gi skattelette – bygger vi også velferdssamfunnet. Men Fremskrittspartiet vil gjøre det motsatte valget sammen med Høyre. De vil gjøre et valg hvor de heller velger å bruke bl.a. formuesskatten til å gi skattelette til noen av landets absolutt rikeste, de heller velger å bruke bl.a. formuesskatten til å gi skattelette til noen av landets absolutt rikeste, i stedet for å bruke disse pengene til å gi et bedre velferdstilbud. Derfor er det spørsmål om valg, og vi velger ulikt. Høyre har gått inn i denne debatten med utgangspunkt i hva vi vil, og hva vi vil fokusere på. Vi vil skape vekst, bedre kvaliteten på utdanning, forskning og samferdsel for å styrke Norges muligheter til å møte utfordringene vi vet kommer etter 2020. Regjeringspartiene har også snakket om Høyre, men de klarer ikke særlig annet enn å svartmale og lage skremselsbilder. Til og med utenlandske statsledere har blitt trukket inn i debatten av enkelte representanter. Da vil jeg minne om at vi i Høyre tross alt ikke holder de rød-grønne ansvarlig for deres partifellers resultater i Spania eller Hellas, og det er i nåtid. Vi har hørt at regjeringspartiene, som er ansvarlige for økende helsekøer og kvalitetssvikt på svært mange av tjenestene som folk virkelig trenger, Vi har hørt at regjeringspartiene, som er ansvarlige for økende helsekøer og kvalitetssvikt på svært mange av tjenestene som folk virkelig trenger, er de eneste som tenker på enkeltmennesket. Det er påstander som jeg synes er ganske utrolige. Nå var det litt tvil om tittelen på statsråden da han tiltrådte. Det begynte med samordningsminister, men nå er det statsråd ved Statsministerens kontor. Det kan være greit å bruke samordningsminister, for det må jo ha vært litt av et så livsfjernt budskap som det vi har hørt fra de rød-grønne i dag. Jeg opplever at mange av dem som representerer regjeringspartiene i denne debatten, har understreket de grunnleggende verdiforskjellene som er mellom Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og regjeringspartiene på den andre siden, nettopp på grunn av at det tidligere har vært etterlyst fra blant andre Høyres side at vi skulle framstå i en diskusjon om hva de prinsipielle forskjellene er. Ja, det forklarte jeg i dag. Hvis representanten Gundersen er opptatt av f.eks. et bedre samferdselstilbud, går jeg ut fra at han er svært tilfreds med at denne regjeringen ikke bare klarte å overoppfylle den transportplanen som var i forrige periode, men at den faktisk har lagt fram en transportplan for denne tiårsperioden med et nivå som er 100 mrd. kr høyere enn det som var nivået på den forrige planen, og at vi faktisk gjennomfører det. Vi har gjennomført en styrking av forskningen på 5 mrd. kr i løpet av den forrige perioden. Dette viser en klar prioritering av mange av de oppgavene som også Gundersen er opptatt av. Men vår understreking i dag har først og fremst vært uenighet om de viktigste veivalgene i dette

Det er over 6 000 bustadlause – ein auke på 10 pst. Det er over 4 000 menneske som står i behandlingskø for rus. Det er blitt fleire fattige barn. Det er fleire som står i kø i psykiatrien. Øyremerkinga førte til kutt på over 400 stillingar i psykiatrien. Eg trur vi alle kan vere einige om at regjeringa ikkje har gjort nok, og at fattigdom burde ha vore eitt av dei tema som statsråden lyfta i sitt innlegg. Sånn sett er det mange som har lurt på kva ein samordningsminister gjer i regjeringa. Kunne det ha vore ein at samordningsministeren brukte tid på å setje fokus på å koordinere ei meir målretta fattigdomssatsing, og at han kanskje òg tok tak i Kristeleg Folkeparti sitt forslag om ein nasjonal dugnad mot fattigdom? Denne regjeringen har som et viktig siktemål å bidra til å gjøre det lettere for dem som har økonomiske utfordringer. Jeg tror Kristelig Folkeparti og denne regjeringen er veldig enige om at det er en sentral målsetting i et velferdssamfunn, og også at det er viktig å prioritere det. det. Derfor har denne regjeringen i løpet av de årene vi har sittet i posisjon, fra 2006 til 2010, styrket bevilgningene til tiltak for dem som er økonomisk vanskeligstilte, med 3,9 mrd. kr utover det som lå i Bondevik-regjeringens budsjett. Det jeg tror er kanskje noe av det aller viktigste, er likevel at vi har gjennomført reformer for nettopp å nå fram til dem som har det aller vanskeligst. Systemet med kvalifiseringsprogram som gjør at du tar et særskilt tak for å hjelpe fram dem som har problemer, er en reform som denne regjeringen har gjennomført, og som jeg mener er et av de viktigste tiltakene de senere år for å sørge for at noen kan komme seg ut av fattigdomsproblemene og inn i et arbeid. Hvis jeg får lov til helt til slutt bare å si at det aller viktigste tror jeg vi er enige om, og det er å sørge for at folk har arbeid. Det har vært det viktigste siktemålet også for Det heter seg at «it takes one to know one», og når man ser statsrådens evne til å si at Arbeiderpartiet har monopol på alle store velferdsreformer i historien, tror jeg nok at advarselen til Høyre om å ha mange mødre kanskje faller litt på steingrunn. Men det var ikke det jeg skulle spørre om.

at han ser at hvis vi hadde hatt et lobbyregister overfor den norske regjeringa og overfor det norske parlamentet, hadde mange av de insinuasjonene vi ser i norsk offentlig debatt, kunnet forsvinne, for man kunne ha bevist hvordan prosessen hadde pågått. Jeg tror ikke at det er en stor forskjell om du snakker med en som ønsker å påvirke deg innenfor Stortinget eller utenfor Stortinget, på telefon eller ansikt til ansikt. Jeg tror derfor at tanken om et lobbyregister har man – skal vi si – en litt overdrevet tiltro til. Jeg vil imidlertid få understreke i forhold til det representanten Skei Grande sa, at jeg sa ikke at Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har monopol på å bygge velferdssamfunnet. Men det er vel ingen tvil om at de har vært en veldig sentral aktør for å få det til, og som jeg sa, ofte i et samarbeid med sentrum. Venstre har vært ett av de partiene. Noen av de viktige veivalgene som sentrum i norsk politikk står overfor, ikke minst Kristelig Folkeparti og Venstre, det å bygge dette velferdssamfunnet videre skjer best i et samspill med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, eller om det skjer i et samspill med Høyre og Fremskrittspartiet. Det er jo det grunnleggende spørsmålet om hvordan vi skal utvikle dette samfunnet videre, og der inviterer jeg veldig gjerne både Venstre og Kristelig Folkeparti til et konstruktivt samarbeid, både i dette stortinget og for framtiden. Replikkordskiftet er omme. Etter snart 200 år med Grunnloven, og

et samfunn som, etter hva vi forstår, befinner seg på et høyere sivilisasjonstrinn takket være fremsynte sosialdemokrater. Denne perfekte modellen skal heretter kun forsvares og i hvert fall bare forbedres i den utstrekning Arbeiderpartiet finner det nødvendig. Arbeiderpartiets parlamentariske leder har i et tidligere innlegg i dag utdypet det siste avgjørende skrittet fra det man tidligere omtalte som den nordiske modellen, til dagens idealtilstand av å være rent norsk. norsk. Ifølge representanten Pedersen er det tre kriterier. Det er: – høyt skattenivå – stor offentlig sektor – samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndigheter Hvis man la avgjørende vekt på bare disse tre, kan man si at Italia hadde et slikt system på plass allerede rundt 1930, så det må jo være et par ting i tillegg som gjør at vi har et godt samfunn. Behovet er kanskje til stede i Arbeiderpartiets retorikk for nå å distansere seg fra begrepet «den nordiske modellen»,

at en liten befolkning har fått store uventede oljeinntekter. Vi behøver ikke å bruke lang tid på å slå fast at det er mye bra i det norske samfunn. Men politikere har en tendens til å overvurdere sitt eget bidrag. Det som skaper velferd, er det arbeid som hver dag utføres av vanlige mennesker som går på jobb og yter en innsats for andre, og som hver dag også produserer varer det er Arbeiderpartiets parlamentariske leder blir rimelig endimensjonal når man ikke med ett ord i sitt innlegg anerkjenner at det viktigste som finner sted i samfunnet, faktisk finner sted utenfor og bortenfor staten. Man anerkjenner i svært liten grad at denne verdiskapingen skjer ved at mennesker deltar i næringslivet, og at ressursene brukes med minst mulig sløsing i et markedsbasert økonomisk system. Hvis man lytter til gjennomgangstonen her i dag, går de rød-grønnes innlegg stort sett ut på at alt godt i samfunnet kommer fra politikk og politiske vedtak. Man skal selvfølgelig ha en viss forståelse for at regjeringen vil understreke områder som på grunn av mange andres innsats fungerer godt, og skryte av det. Men debatten her i dag har vært en sosialdemokratisk tilbakeskuende selvgodhet som er i ferd med å ta slike proporsjoner at jeg tror det går ut over evnen til å se fremover og på de oppgavene som ligger fremfor oss. På et tidspunkt da andre land, også i vår nærhet, begynner å vise sterkere evne til vekst, opplever vi en regjering som er mer opptatt av å beskrive gårsdagens samfunn og drive med fordreid historieskrivning også av andre partiers politikk. Det som burde være en politisk hovedoppgave, er å legge til rette for det næringslivet vi skal leve av etter oljealderen. De fleste av de arbeidsplasser som skal skape skattegrunnlag for velferdstjenester i fremtiden, er ikke skapt ennå. Derfor må vi satse på en bruk av fellesskapets midler som stimulerer verdiskaping. Vi må også sørge for at folk ikke blir holdt fast i passive klientroller, men får en ny sjanse til å komme tilbake til arbeidslivet, slik at de kan klare seg av egen kraft og i sin tur bidra til samfunnet. Når Høyre ønsker at vi skal investere mer i kunnskap og forskning, legger man med det grunnlag for det man skal leve av i fremtiden. På tross av den økonomiske handlefriheten regjeringen har hatt, viser man nå på felt etter felt svakere resultater enn andre land. Vi ligger under snittet i OECD når det gjelder kunnskap i sentrale skolefag. skolefag. Når regjeringen roser seg av sysselsettingstallene, ser man ikke at tallene dekker over en massiv overgang fra konkurranseutsatt næringsliv til offentlig sektor. Sentralt i regjeringens selvros er å vise til at man bruker mange penger, men det har bare ført Norge til toppen i pengebruk, uten at vi har spesielt gode resultater på mange områder. Jeg synes derfor at vi sammen skulle arbeide mer for å legge grunnlaget for det samfunnet skal leve av fremover, fremfor å karakterisere fortiden

Folkeparti deler regjeringens oppfatning av betydningen av klimautfordringene ved å sette til en viktig nyanse: Ved siden av klimaproblemene er vår tids største utfordring å bekjempe global fattigdom, fordi Kristelig Folkeparti mener at alle mennesker har en en grunnpilar i vårt politiske engasjement. Dette menneskesynet forplikter oss til å vise nestekjærlighet overfor alle dem rundt omkring i hele verden som ikke har den levestandard de fortjener nettopp denne dagen. Det handler om dagen i dag, men det handler også om å se dagene som kommer. Ja, det handler om å behandle kloden vår på en bærekraftig måte. Vår tids største utfordring er klimaproblemene. Vi skal ta kutt både hjemme og ute. Regjeringen har dessverre så langt ikke maktet å følge opp sine egne ord gjennom store nok handlinger. Regjeringen har ikke iverksatt en politikk som er tilpasset størrelsen på de klimautfordringer vi vet vil komme. Klimautfordringene krever raske samfunnsendringer. Vi er nødt til å omstille oss fra en økonomi som er basert på forbruk av fossilt brensel, til en økonomi som baserer seg på ren energi. Vi er nødt til å ta et oppgjør med et økonomisk system basert på et stadig økende forbruk av begrensede ressurser. Vi er i ferd med å overskride jordas bæreevne og undergrave kommende generasjoners mulighet til å skape seg det gode liv, som vi alle vil ha. Fem år med rød-grønn regjering har beveget Norge med noen små skritt i riktig retning. Det skal jeg ikke underslå. Men skrittene blir som museskritt å regne i en situasjon der det er behov for å ta på seg sjumilsstøvler. Det trengs en helt annen takt i klimapolitikken. Jeg kan på vegne av Kristelig Folkeparti love at vi i det året som ligger foran oss, skal utfordre regjeringen, slik vi har gjort de siste fem årene, til å ta dristigere, men nødvendige grep i forhold til en bærekraftig politikk. «Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget om klimapolitikken høsten 2011», står det i trontalen. Denne skulle egentlig Stortinget hatt seg forelagt i dette året, hvis vi skulle følge klimaforliket inngått i 2008. Vi skulle, etter klimatoppmøtet i København i 2009, gått gjennom både virkemidler og målsettinger i forhold til resultatet fra København-toppmøtet. Det ble ikke noe i 2009. Men løftet om en klimamelding som vi da fikk, har nå blitt ønske om en klimamelding i 2011. Dette er lite betryggende. Kristelig Folkeparti er part i klimaforliket. Vi har klare forventninger til at vedtatt politikk skal gjennomføres, for det er et flertall på Stortinget som har en visjon for Norges klimapolitikk og samfunnsutvikling. Visjoner er lett å glemme når vi begynner med dagligdags politikk, men jeg tror det er viktig å huske ledere har en visjon om at vi skal bli et lavutslippssamfunn. Visjonen innebærer at utslippene fra hver enkelt av oss må reduseres med 80 pst. Dette kan ikke skje uten politisk vilje, tilrettelegging og styring. Det innebærer også en enighet om at vi skal ta to tredeler hjemme. Vi har en visjon, vi har en men vi mangler politikk, og vi mangler en gjennomføring av politikken vår. Kristelig Folkepartis utfordring til regjeringen er klinkende klar: Lever klimapolitikk på løpende bånd, ikke vent, start med budsjettet i

bare hos Høyre og de borgerlige vennene deres. I motsetning til da Høyre styrte utdanningsfeltet, har det blitt ideologisk ro i debattene om skolen nå. Lærerne protesterer ikke lenger, elevene går ikke lenger i demonstrasjonstog mot nasjonale prøver, og foreldre opplever at de blir hørt. Når det er ro, er det lettere å konsentrere seg om de viktige oppgavene i skolen. Skolen trenger ikke flere reformer, men den trenger politisk oppmerksomhet – nasjonalt og lokalt. Vi vil gjennomføre nødvendige tiltak for skolen uten at skolen blir en ideologisk slagmark. Derfor lytter vi til skolen, til arbeidslivet og til forskerne. Vi må snakke skolen opp, ikke ned. Ingen blir bedre av bare å høre hvor dårlige de er. En god utdanningspolitikk må alltid være underveis, fordi utfordringene i utdannings- og arbeidslivet er i stadig og raskere forandring. De siste tiårene har norsk næringsliv vært nødt til å gjennomføre omstillinger som har ført til færre ansatte med lavt utdanningsnivå, samtidig som man har økt produksjonen av varer og tjenester som krever kvalifisert arbeidskraft. Norge er i dag det landet i OECD som har lavest andel av arbeidsstyrken i yrker som ikke stiller krav til utdanning. Om 15 år vil behovet for ufaglært arbeidskraft utgjøre bare 3,5 pst. av arbeidsstyrken. Det er ikke mulig å forutse nøyaktig hvilken kompetanse som skal til for å møte utfordringene om 20 eller 50 år, men det vi vet, er at vi må sikre alle gode grunnferdigheter, og vi må sikre at alle har den omstillingsevnen som trengs for å møte framtiden. Derfor er regjeringens arbeid mot frafall på videregående skole så viktig, fordi framtiden avhenger av det – både Norges framtid og framtiden til den enkelte ungdom. Vi trenger tett oppfølging, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Vi trenger flere og bedre lærere, en sterk og kompetent skoleledelse, og vi trenger ansvarsfulle skoleeiere. Jeg vil gjerne framheve et noe underkommunisert moment: De nevnte tiltakene, som vil bidra til økt gjennomføring og mindre frafall, frafall, kommer også de skoleflinke elevene til gode. Myten om at skoleenerne ikke blir sett hvis politikerne satser på å redusere frafall, må legges død en gang for alle. En sterk skoleledelse er bra for alle elevene. Tilpasset opplæring er bra for alle elevene. Flere og bedre lærere er bra for alle elevene. Men veien til tilpasset opplæring og muligheter for skoleenerne er ikke gjennom et rigid nivådelingssystem. En rekke avisoppslag har avdekket at en del skoler i Høyre-styrte Oslo opererer på denne måten, selv om det er i strid med opplæringsloven. Rigid nivådeling er med på å sette elevene i bås, og det er ikke fleksibelt nok til å gi elevene muligheten til å forbedre Fremskrittspartiet har på sin side uttrykt at de vil at man bredt over skal ha nivådeling i matematikkfaget, at såkalt flinke elever skal gå i én klasse, mens de som tidlig får merkelappen som mindre flinke, skal gå i en annen. Dette gir de uttrykk for og uten å ha forskningsmessig dekning for at det bidrar positivt til læringen, snarere tvert imot. Igjen: Dette er en form for ideologisering av skolen fra Fremskrittspartiets side, som ikke kommer elevene til gode. Det samme gjelder andre forslag fra borgerlig side om mer individualisering og mindre fellesskap i klasserommene, om rangering av skolene og karakterer fra femte klasse. Dette har ikke støtte i forskningen. Dette har ikke støtte blant skolens egne folk. At Høyre, som tar mål av seg å være et kunnskapsparti, ikke ser ut til å legge kunnskap om hva som faktisk fungerer i skolen, til grunn for sin politikk, er i beste fall forunderlig. At Fremskrittspartiets representant Tord Lien i sitt innlegg sier at han vil avideologisere debatten om skolen, og samtidig står for denne typen ideologiske forslag, er bare underlig. Arbeiderpartiet og regjeringen vil ha en god offentlig fellesskole. Vi vil at skolepolitiske tiltak skal være forskningsbaserte. Vi vil lytte til skolen og til fagfolk. Borgerlig ideologisk støy skal ikke stå

Alt vi blir avspist med i trontalen, er setningen: «Eldre som trenger omsorgstjenester, skal ha et godt tilbud.» Hva ligger det egentlig i det? Hva sier det om kvalitet og omfang? Ingen verdens ting. Det minner til forveksling om det Gro Harlem Brundtland sa i valgkampen for 25 år siden: Vi lover en eldreomsorg som gjør det godt å bli gammel. I 1996 lovet Arbeiderpartiets sosialminister enerom på og alle husker Jens Stoltenbergs uttalelse i valgkampen i 2005 hvor han sa at han ikke ville gi en krone i skattelette før det skinte av eldreomsorgen. Når så Stoltenberg ga vesentlige skattelettelser til de fagorganiserte gjennom økt fagforeningsfradrag, kan en lure på om regjeringen mener at det allerede skinner av eldreomsorgen i dette landet. Det er i så fall et syn jeg tror de er ganske alene om. Vi har hørt altfor mange tomme løfter og store innholdsløse ord fra Arbeiderpartiet. Den tapende part er igjen de gamle, syke og pleietrengende eldre. I en årrekke har vi vært vitne til svarteperspillet som foregår mellom den rike staten og landets kommuner. Kommunepolitikere, uansett parti, sliter med å oppfylle løfter sentrale politikere gir. Vi hører at kommunesektoren nærmest har doblet gjelden sin på syv år, og at den nå er oppe i formidable 190 mrd. kr. Mye av gjelden kommer som en direkte følge av alle statlige pålegg som det ikke følger penger med for å løse. Samtidig stiller også staten krav om budsjettbalanse og helst 3 pst. overskudd. Det siste er det de færreste kommuner som klarer å innfri. Sparekniven må fram, og ofte brukes ostehøvelen, noe som gjør at pleie- og omsorgssektoren blør mest. Sparekuttene går ut over tilbudet til gamle syke og andre pleietrengende. Dette er etter Fremskrittspartiets oppfatning direkte uverdig i et såkalt velferdssamfunn. Regjeringens ideologiske motforestilling mot å slippe både private ideelle og private kommersielle aktører til er medvirkende til at vi i realiteten har fått et klassedelt helsevesen, hvor de som kan betale for seg, får muligheten til det, mens andre er prisgitt en offentlig monopolleverandør og lange køer. Det er store problemer med å skaffe kvalifisert personell til kommunehelsetjenesten. Enkelte kommuner har opptil 80 pst. ufaglærte på sine institusjoner. Lav kompetanse fører bl.a. til overgrep, feilbehandling og Syv av ti nordmenn er i dag redd for å bli pleietrengende her i landet. Frykten og prosentandelen blant dem som selv arbeider innen pleie og eldreomsorg, er trolig enda større. Slik kan vi ikke ha det. De gamle syke fortjener en helt annen trygghet og en forvissning om en livskvalitet og ivaretakelse av et menneskeverd som i dag i altfor liten grad står i fokus. Fremskrittspartiet skal når som helst sette seg ned med de øvrige partiene for å komme fram til nødvendige grep som kan gi en verdig eldreomsorg. Vi har skissert en rekke løsninger tidligere, og vi kom med innspill i forbindelse med samhandlingsmeldingen, men regjeringen har ikke vært villig til å lytte. Det som er helt klart, er at den medisinen regjeringen foreskriver, den virker ikke. En viktig faktor i dette er omsorgsarenaene. Omsorgsboliger har aldri klart å bli det de var tenkt å være, nemlig et reelt alternativ til sykehjem, hvor den enkelte skulle kunne velge boform og være sikker på at pleie- og omsorgstilbudet ble økt hvis behandlingsbehovet økte. Vi trenger derfor at det satses langt kraftigere på utbygging av sykehjemsplasser i dette landet. Når vi ser at stadig flere kommuner avhjemler sine sykehjem, og at nyetablering av sykehjemsplasser er nærmest fraværende, burde stormklokkene ringe i regjeringskontorene. Men der i huset lener de seg bare tilbake og overlater problemet til kommunene. Kommunenes gjeldssituasjon og manglende betjeningsevne er en vesentlig faktor for at det ikke etableres tilstrekkelig med sykehjemsplasser. Manglende økonomisk handlingsrom gjør at flere kommuner ikke har mulighet til å påta seg driftsoppgaver i form av flere sykehjemsplasser. sykehjemsplasser. Dette fører til at mange syke gamle ikke får eller vil få behandling på beste effektive omsorgsnivå. Fremskrittspartiet forventer at statsbudsjettet tar høyde for å rette opp i disse forholdene. Jeg har merket meg at enkelte rød-grønne politikere ikke lenger snakker om eldrebølgen, men om eldrebyrden, og framstiller det som om de gamle syke truer velferdssamfunnets eksistens. Jeg har også hørt byråkrater si at hvis en pasient er i live ett år etter at hun blir innlagt på sykehjem, er pasienten i utgangspunktet feilplassert.

Det ene er at det demonstreres til fulle at de bildene som vi får av de internasjonale klimaforskerne, inntreffer med stor kraft og veldig alvorlig. I dag kom meldingen om at isen på Grønland smelter mer i år enn noen gang tidligere. Flommen i Pakistan passer inn i klimascenarioene ved at det er nettopp denne typen store flom- I Kina, i Russland, i Burma har man hatt store tørkekatastrofer. I det hele tatt, 2010 ser ut til å bli et av de varmeste årene, eller det varmeste, noensinne. Vi hadde en kald vinter, det var en kald vinter på østkysten av USA, men for øvrig er alle tegnene der på alvoret i klimakatastrofen. Det andre, som skjer samtidig, er at mange land gjør masse. Brasil har redusert avskogingen med 75 pst. på sju år. Det er det største enkelttiltak fra noe land. Indonesias president kom til Norge og fortalte at han vil nå, fra 1. januar, sette i verk et forbud mot nye hogstkonsesjoner i Indonesia – et fantastisk modig og sterkt tiltak, og land som Kina, Sør-Korea og mange europeiske land utvikler klimateknologi i stor fart. Så det skjer en masse. Men samtidig med dette står klimaforhandlingene bom stille. Det er alvorlig, og spørsmålet er hva som kan gjøres for å løse opp i det. Klimaforhandlingene står enkelt sagt bom stille fordi man ikke har klart å finne balansen mellom behovet for at USA gjennomfører sterke tiltak for å få ned klimautslippene i USA, og at man blir enige om internasjonale systemer for hvordan Kinas – og Indias og Brasils, men først og fremst Kinas – selvpålagte klimatiltak skal måles globalt. Det er ingen utsikter til at vi klarer å løse dette i Cancun i desember. Da må strategien være at vi ser på hva vi kan løse, og svaret må være en frakobling. Vi må frakoble alle de områdene vi nå kan løse, fra dette ene vi vet at vi nå ikke kan løse. Så må vi bygge stein på stein, istedenfor å tro at alt kan løses i et eneste stor klimapolitisk big bang. I Cancun må målet være – og regjeringens mål er – at vi der må kunne slutte en avtale om det det internasjonale samfunn enten er helt enige om eller er nesten enige om. det dreier seg om klimatiltak i fattige land, det dreier seg om overføring av teknologi til fattige land, det dreier seg om klimatilpasningstiltak i fattige land, og det dreier seg om kompetanseheving. På alle disse områdene er vi enten helt enige eller nesten enige. Vi må gjøre en avtale om dette i Cancun, og så må vi på basis av det bygge videre mot en mer global avtale senere. Så må vi koble sammen de to store miljøpolitiske forhandlingsprosessene i verden, i Cancun om klima og i Nagoya i Japan om tre uker – en del stortingsrepresentanter skal delta der også – om naturmangfold. Og det norskstøttede skogprosjektet er jo det som framfor alt bringer disse to dagsordenene sammen. Ved å ta vare på regnskog tar man vare på det største artsmangfoldet i noen naturtype, samtidig som man bringer klimagassutslippene ned.

om å kunne ta rettigheter til de produkter man lager – ellers vil man jo ikke få forskning og utvikling – og samtidig utviklingslands rett til å beskytte sitt genmateriale. Sveitsiske forskere utviklet i sin tid en veldig viktig internasjonal transplantasjonsmedisin fra en sopp på Hardangervidda. Norge har ikke fått fem øre for det. Sveits har laget en milliardindustri av det. er ikke et problem for Norge, men det er et stort problem for utviklingsland hvis ikke de får noen gevinst av sine genressurser. Målet i Nagoya er å bli enige om dette. Og igjen: Om vi ikke kan blir 100 pst. enige, så må vi enes om de 90 pst. som vi er enige om. Vanskeligheten med både klima og naturmangfold er at det er de første store forhandlingsprosessene i den nye multipolare verdensorden, og vi må

De vektlegger sin egen nære kontakt med fagbevegelsen – som til og med får betalt og utkvittert med sentralstyreplass – som en viktig del av den norske modellen. Men kan noen av regjeringspartienes representanter fortelle på hvilket punkt det generelle velferdsnivået gikk ned under Bondevik II-regjeringen, eller sågar under Willoch-regjeringen? Nei, snarere skjedde det motsatte, fordi man forsto viktigheten av å stimulere til vekst. Youngstorgets egen avis Dagsavisen skrev etter regjeringsskiftet i 2005 at de rød-grønne kommer til duk og dekket bord. Hvordan ser bordet ut i dag, fem år etter? Sykehuskøene er lengre enn noen gang, fattigdommen har økt, og rusomsorgen drives på sparebluss av ideologiske årsaker fra denne regjeringen. Her er det jo et stort innslag av ikke-offentlig hjelpeapparat, må vite. De rød-grønne partiene gjør lurt i å ta inn over seg at det ikke er all velferd som skapes av stat eller kommune. Private, organisasjoner og ikke minst enkeltindivider er også svært viktige aktører i et velferdssamfunn og i den norske modellen. Men regjeringen Stoltenberg klarer jo heller ikke å skape det bærekraftige samfunnet med flere i arbeid og færre på trygd som man snakker om. Det går jo i feil retning. Stadig flere går på trygd. De vil også verne offentlige monopoler i stedet for å stimulere til mangfold som kan gi bedre tilbud til brukerne. Løsningene deres på utfordringene er skatter og avgifter i god Brofoss-tradisjon. På område etter område kan jeg nevne rød-grønne ideologiske kjepphester som går foran gode løsninger. Andre fra opposisjonen har i dag pekt på helse- og omsorgssektoren som eksempler på dette. Jeg skal få nevne noen eksempler fra samferdselssektoren. Men først: Det er ikke særlig imponerende når Arbeiderpartiets representanter med Martin Kolberg i spissen framhever situasjonen i Norge og virkningene av finanskrisen som enestående rød-grønt politisk håndverk. Ingen andre land hadde den muligheten som vi i Norge hadde. Selvfølgelig dempet dette virkningene. Høyre var også med på dette, men noen stor politisk bragd er det ikke. Andre land har måttet tåle smertefulle kutt og å øke sin utenlandsgjeld til bristepunktet, men de samme landene har heller ingen annen mulighet enn sunn vekst for å komme på offensiven igjen. Og sunn vekst skapes ved å føre en politikk som får bedrifter til å investere og til å ansette folk, og dessuten å holde offentlige skatter og avgifter lavest mulig. Da skapes optimisme, og da skapes vekstimpulser. Det er vel nesten ingen andre steder i regjeringens virke at tom politisk retorikk står i større kontrast til realitetene, enn innenfor samferdselssektoren. Her er omkvedet at man stadig satser mer penger. Men man glemmer å si at kostnadsøkningen innenfor denne sektoren har vært større enn økningen i bevilgningsnivået. Andelen til samferdsel blir da også stadig lavere hvert år over statsbudsjettet og er stadig mer bompengefinansiert. Men det alvorlige er det totale fraværet av reformer innenfor denne sektoren. På fem år har vi ikke sett en eneste reform fra denne regjeringen. Arbeiderpartiets egne, Johnsen denne bransjen er overmoden for reformer. Høyre har foreslått en rekke tiltak innenfor prosjektfinansiering, OPS, fondsløsninger for å ta inn etterslep på vegene, og reformer i forvaltningen for å få mer ut av pengene. Hva er svaret fra Arbeiderpartiet? Jo, de vil faktisk reversere nyttige reformer. De vil altså reversere nyttige reformer. De vil altså reversere Mesta-reformen, som ga oss 500 mill. ekstra til veger i året. Køene blir altså lengre, vegene blir dårligere og togene står mer enn noen gang. Det er fasiten etter fem år med denne

Faren er at arbeidsledigheten kan bite seg fast på et høyt nivå over lang tid. Ungdomsledigheten er skremmende. Vi står i fare for å miste en hel generasjon. Konsekvensene kan bli dramatiske. Over hele kontinentet marsjerer folk allerede i gatene. I en sånn situasjon begynner enkelte raskt å se seg om etter syndebukker. Jeg er redd for at vi de nærmeste tiårene kan stå overfor store motsetninger og mye sosial uro dersom landene ikke makter å håndtere arbeidsledigheten og sosial trygghet, men heller gjennomfører store kutt i velferdsordningene. Høyreekstreme kommer til å utnytte dette for alt det er verdt. De henter sin næring fra motsetninger og hat, utrygghet for nye utviklingstrekk i samfunnet og ofte ved å forherlige Jeg tror vi ser den første bølgen av hva vi potensielt står overfor også innenfor demokratiet, både i Nederland og i Sverige. Geert Wilders' Frihetsparti og Sverigedemokraterna gjorde overraskende gode valg, begge med en fiendtlig retorikk overfor innvandrere. I begge land er de på vippen. Da trengs det kloke politikere. Også her i Norge har vi hatt krefter som ønsker å bygge opp om og nøre opp under etniske motsetninger. Høyreekstreme har imidlertid ikke fått skikkelig rotfeste, både fordi vi er et lite og transparent land, og fordi vi har et samfunn preget av små forskjeller. Fremmedhat biter ikke på folk som lever i harmoniske samfunn. Den nordiske modellen – som nå etter hvert må kalles den norske modellen – er en enestående verdenssuksess. Hovedforklaringen på denne suksessen er, som mange har pekt på, en stor offentlig sektor, et relativt høyt skattenivå og et utmerket samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Store reformer fører ikke til opptøyer og demonstrasjoner her i landet, slik vi ser det i andre land. Dette er samtidig et av de sterkeste uttrykkene, slik jeg ser det, for norsk kultur: Vi løfter sammen, vi tar vare på hverandre – noe vi f.eks. ser i frivillig sektor – og vi ønsker ikke at det skal være stor forskjell mellom folk. Denne suksessformelen vil Fremskrittspartiet rive bort. Siv Jensen har sagt det tydelig: Det blir total forandring, det blir «markedstenkning på alle nivåer». Det er helt ufattelig. Det var jo denne tankegangen som kastet folk ut i krisen, og som gjorde at titusenvis har mistet jobben, huset, framtiden. Samtidig kommer Christian Tybring-Gjedde med stadige antydninger om at Norge og norsk kultur er truet. Han påstår at vi dolker norsk kultur i ryggen, og at landet vårt gjennom innvandring på sikt kan rives i filler. Han skriver: «Det er Ap som gir oss tusenvis av nye nordmenn fra ulike kulturer», og peker på familieinnvandring og ekteskap. Ja, vi gir faktisk nordmenn selv valget om hvem de ønsker å gifte seg med. Flere tusen nordmenn gifter seg på tvers av grensene. Vil Fremskrittspartiet stoppe dette? Skal Fremskrittspartiet innføre en norsk variant av tvangsekteskap? tvangsekteskap? Det skulle vel være litt av en reklame i kampen om å være tiltrekkende for arbeidsmigranter dersom vi ikke aksepterte at de kunne ta med seg familien hvis de ble boende her. Eller skulle vi heller ha lært av Canada, når de sier at mangfold er deres største styrke, og når skolene bruker det at det snakkes flere språk i skolegården, som et av sine fremste fortrinn? filler. Jeg blir fristet til å spørre, siden Tybring-Gjedde er nestemann på talerlisten. Er det det faktum at toppscoreren i eliteserien heter Mohammed, som truer med å rive landet vårt i filler? I så fall måtte det irritere Tybring-Gjedde noe vanvittig da John Carew sikret oss seieren mot Portugal. Og dersom Fremskrittspartiet er så bekymret for norsk kultur, hvorfor kutter de da i kultursektoren med 1 mrd. kr? Nei, det Tybring-Gjedde faktisk roper, er stopp verden, Han bør heller innse at det er Fremskrittspartiet som er den største trusselen mot norsk kultur. Deres politikk vil gi tusenvis av tapte arbeidsplasser, det vil gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår, det vil gi mindre penger til fellesskapet, og det vil bidra til store skiller mellom

På AUFs leir på Utøya i sommer uttalte statsministeren at lærdommen av gjeldskrisen i Europa bør være et endelig nei til skattelettelser. Skattelettelser er absolutt uansvarlig, la han til. Stoltenbergs tale var en klassisk sosialist verdig, og jeg tror han hadde litt flau smak i munnen. Her ble økonomien presentert til å være en gitt størrelse, statens utgifter per definisjon av det gode, samtidig som budsjettenes underskudd skyldes at de som hadde mest fra før, hadde tilranet seg enda mer gjennom usolidariske skattelettelser. Hadde talen til Stoltenberg forblitt indremedisin på Utøya, hadde det vært greit, men dessverre ble talen til inspirasjon for hans partifeller. For kun noen uker etterpå sto Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen frem i Aftenposten og varslet at Arbeiderpartiet ville øke skattene for å finansiere fremtidens eldreomsorg, en idé som også fikk tilslutning fra næringsminister Trond Giske. Tenk om de økonomiske sammenhenger var så enkle? Tenk om det var slik at vi kunne øke skattene til velferdsbehovet var mettet, og at skattenivået ikke hadde noen ringvirkninger for andre deler av økonomien? Men, dessverre, det forholder seg ikke slik. Det finnes ingen korrelasjon mellom økt skatt og bedre velferd. For dersom det hadde vært tilfellet, ville vi til enhver tid hatt det skattenivået hvor alle våre velferdsbehov var dekket. Og for å illustrere: Ingen bruker mer penger på helse per innbygger enn Norge, og kun USA bruker mer penger på utdanning. Hvorfor har vi da store utfordringer i helsevesenet og lange køer?
solidaritet. Derfor må me løyse utfordringane saman – ikkje kvar for oss. Eit samfunn med gode fellesskapsløysingar gir kvar enkelt av oss større moglegheiter. Tryggleik er ein føresetnad for fridom. Tryggje menneske tør å satse meir enn utryggje menneske. Fridom blir først ein realitet gjennom fellesskapsløysingane, som gir alle ein Sidan krigen har me alle vore med på å byggje opp dette landet til å bli eit av verdas beste land å bu i. Alternativet til dagens regjering er ei blå-blå regjering, noko som betyr eit samfunn med stor grad av privatisert velferd og vesentleg mindre moglegheiter for politisk styring enn det me har i dag. Arbeidarpartiet er ikkje imot private løysingar og Men kunnskap, omsorg, fri ferdsel og samfunnets infrastruktur handlar om fordeling og ansvar for kvarandre – ikkje om kjøp og sal. Høgresida sitt utgangspunkt er at verdiskapinga berre kan skje i privat sektor, mens offentleg sektor berre er ein utgiftspost. Me ser heilt annleis på det. Det er ikkje slik at det å produsere medisinar i farmasiindustrien er verdiskaping, mens dei same medisinane er ei utgift når dei blir brukte på eit offentleg sjukehus. Hovudpoenget er å utnytte ressursane til det beste for samfunnet, uavhengig om dei blir skapte i privat eller offentleg sektor – ikkje å privatisere for kvar ein pris. Velferdssamfunnet må vere ein trampoline som folk kan satse ifrå, og då må me byggje velferda vidare, ikkje byggje ho ned. Derfor er det så viktig å satse på fellesskapet. Regjeringa Det er fordi me veit at det ikkje finst større sløsing enn å la folk gå ledige. Det handlar ikkje først og fremst om pengar, det handlar like mykje om å la folk få føle seg viktige og nyttige i samfunnet. Det handlar om å gje alle moglegheit til å sitje rundt middagsbordet og fortelje om arbeidsdagen. Det handlar om at barna kan fortelje sine vener kva mamma og pappa jobbar med. Det handlar om livskvalitet og tryggleik i eigen kvardag.

Problemet er derimot at kapasiteten er altfor liten. Pasientane som ventar på behandling, vert stadig fleire, og dei ventar stadig lenger på nødvendig behandling. Verken statsministeren sitt innlegg her i dag eller trontalen tyder på at desse enkeltmenneska kjem til å verte tekne meir på alvor det komande året. Trass i desse utfordringane byggjer regjeringa systematisk ned behandlingskapasiteten ved norske sjukehus. Rundt om i heile landet er innbyggjarar i desse dagar uroa for tilbodet ved sitt lokalsjukehus. Dessverre er det slik at dei har all grunn til det. Trass i regjeringa sine lovnader om at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned, fortset dei regionale helseforetaka råkjøret mot lokalsjukehusa. Regjeringa sine lovnader er knapt verde papiret dei er skrivne på. Det er eit problem at statsministeren og helseministeren opprettheld sin argumentasjon knytt til lokalsjukehusa utan at dei definerer kva innhald desse sjukehusa faktisk skal ha. I Nordfjord er Helse Førde allereie i gang med omlegging av vaktordning og flytting av utstyr og kompetanse. I Volda fryktar folk framleis for akutt- og fødetilbodet sitt. Det same gjer dei i Kristiansund. I Oslo har allereie fått nådestøytet av regjeringa. Dessverre er dette ikkje unike tilfelle, men det er den situasjonen folk flest opplever at norsk helsevesen står i. Når helseministeren då i dag seier at folk skal få behandling nær der dei bur, så står det jo ikkje til truande. Regjeringspartia må forstå at eit lokalsjukehus ikkje er eit bygg, men det er ei samling av medisinske tenester til innbyggjarane. Den viktigaste funksjonen til lokalsjukehusa er den akuttmedisinske beredskapen, som no forsvinn medan helseministeren toar sine hender. Framstegspartiet forlangar no at helseministeren tek det fulle og heile ansvaret for denne situasjonen og sikrar innbyggjarane over heile landet det nødvendige helsetilbodet som dei faktisk fortener.

og det er fristbrudd hver eneste dag. Rehabiliteringstilbudet er svært mangelfullt, og ventetiden for rusbehandling har økt betydelig; over 4 000 venter på behandling. Og ventetiden for attføringstilbudet har økt med 50 dager til 270 dager i snitt. For hver dag som går, reduseres muligheten for mange til å komme tilbake til arbeid. Og helsekøene har økt med 50 000, så det er nå 248 000 som venter på behandling. Regjeringen har skapt et klassedelt helsevesen ved at de som har penger, kan kjøpe seg helsetjenester i private sykehus. Dette er noen eksempler fra virkelighetens verden. Dette er det regjeringen ikke vil snakke om. Høyre vil sikre varig velferd, og forberede Norge på de utfordringene som vi møter i Vi vil sørge for mer kunnskap i skolen. Vi vil skape mer og investere i fremtidens velferd gjennom verdiskaping og vekst, og vi vil forbedre offentlige tjenester gjennom bedre kvalitet, større mangfold og mer valgfrihet. Regjeringen bruker ufattelig mye penger, men leverer for dårlige resultater på viktige velferdsområder. Regjeringens politikk løser ikke utfordringen som møter oss i 2020. Og det er dette som vil true velferden.

politikerne. I denne debatten har skillene mellom partiene og skillene i det norske samfunnet kommet helt tydelig fram. Men det er ett skille som ikke kan stå udebattert, og det er skillet mellom kvinner og menn. Det er viktig at vi ikke kjøper høyresidens likestillingsbløff og går med på at vi i Norge har kommet i mål med vårt feministiske arbeid. SV er et feministisk parti. Kanskje er vårt viktigste bidrag til forandring av Norge nettopp den likestillingskampen vi har vært en del av. Uten venstresidens kamp for kvinners rett til å arbeide, og velferdsordningene som gjør det mulig, ville Norge i dag hatt lavere velstand og færre barn. Vi har langt igjen til full kvinnefrigjøring i Norge. Det ser vi på lønnsforskjellene, Det ser vi på lønnsforskjellene, det ser vi på mannsdominansen overalt der det finnes store penger og mye makt, og ikke minst på det skremmende omfanget av menns vold mot kvinner i norske hjem. Vi står overfor et stort samfunnsproblem, et problem som begrenser kvinners menneskeverd og frihet. Ifølge NIBRs undersøkelse fra 2005 rammes hver fjerde norske kvinne over 15 år en eller flere ganger i løpet av livet av en manns vold. En av ti blir utsatt for voldtekt, og norske jenter utsettes for seksuell trakassering på skolen hver eneste dag. Derfor er det bra at regjeringen har børstet støvet av gamle paroler og igjen sier klart og tydelig at det private er politisk – menns vold mot kvinner og deres barn er et politisk problem. For å bedre tryggheten for befolkningen har regjeringen bl.a. satset på mer politi. Men mer politi er ikke nok, for hver norske kvinne kan ikke ta med seg en politibetjent hjem. Vi må tenke større enn som så. Politiet bør få tilbud om tilleggsutdanning i hvordan man kan håndtere saker der det er mistanke om vold i parforhold. Alternativ til Vold og liknende tilbud må styrkes, og vi må verne om krisesentrene våre og sørge for at de får nok midler til å gi et godt tilbud til alle kvinner som rømmer fra menns vold. Men kanskje det viktigste vi kan gjøre for å stoppe problemet, er å stoppe det før det

hvordan vi kan komme oss unna i vanskelige situasjoner, og selvfølgelig hvilke rettigheter vi har. I tillegg lærer jenter at vi er verdt å forsvare, og vi lærer enkle fysiske selvforsvarsøvelser. Det er først og fremst gjennom å sette fokus på problemet at vi kan gjøre noe med det, og jeg er derfor glad for at regjeringen varsler at de vil fortsette innsatsen mot menns vold mot kvinner og håper at det vil bidra til økt fokus på kjønn og makt i skolen og enda flere konkrete tiltak mot menns vold mot kvinner.

Om denne reforma står det i trontalen følgjande: «Regjeringen vil i 2011 utdype Samhandlingsreformen gjennom å legge fram forslag for Stortinget om ny helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015. Regjeringen arbeider videre med utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse innen behandling, rehabilitering og ettervern for rusmiddelavhengige.» Ut ifrå det som står i trontalen, må vi ha lov å tolke regjeringa slik at dei ikkje torer å konkludere om si eiga store reform før etter valet i 2011. Eg trur nemleg at regjeringa har innsett at å gjennomføre reforma med dagens kommunestruktur, vert Med dei sprikande signala som har kome frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet om kommunestruktur, skjønar eg at dette er svært vanskeleg, og at regjeringa ikkje ønskjer å kome med konklusjonane før etter valet i 2011. Men kva har så kommunepolitikarane i det ganske land å halde seg til når dei skal planleggje gjennomføringa av reforma? Det alvorlegaste er at kommunepolitikarane no ikkje anar kva slags kompetanse dei må ha for å gjennomføre regjeringa sitt store helseeksperiment. Når så kommunalministeren har kome med sin budsjettlekkasje om finansiering av reforma, som av mange lokalpolitikarar vert oppfatta som småpengar, er dette etter mitt syn ein hån mot lokalpolitikarane. Vi i Framstegspartiet ser at det i denne situasjonen er heilt nødvendig å endre dagens kommunestruktur. Senterpartiet sin modell med byråkratiske helsekommunar er etter vår meining det verste som kan skje. Vi har mange døme på kor udemokratisk dei enkelte interkommunale selskapa fungerer. Vi meiner at når reforma no skal gjennomførast, kan ein og bør ein leggje eit økonomisk grunnlag for at det skal vere interessant for kommunane å slå seg saman av fri vilje, ut ifrå geografiske omsyn. Vi er sterkt imot Helga Pedersen sitt diktatoriske forslag om tvangssamanslåing.

utenfor de mest sentrale strøk. Nå er det vel slik i Norge at mye av det enkelte liker å kalle bystrøk, ikke minner så mye om bystrøk, men det er uten tvil disse områdene som står for befolkningsveksten i Norge. Det vil med andre ord si at det er en utvikling i befolkningsstrukturen som i hvert fall ett av regjeringspartiene vil kalle negativ. Fylkesmannen må ta mye kritikk for sin praktisering av såkalte motsegner, eller innsigelser som en kaller det på norsk. Representanter fra regjeringen og partier som representerer regjeringen, og dermed stortingsflertallet, gjemmer seg bak denne fylkesmannen og kommer med signal om at dette skal det endres på, men det skjer ingenting foruten at det blir færre og færre som finner det formålstjenlig å bo eller drive næring fra en slik plass. Når regjeringen snakker om distriktspolitikk, blir det som å høre på Når regjeringen snakker om distriktspolitikk, blir det som å høre på et innlegg innen bistandspolitikken. Distrikts-Norge trenger ingen bistand. Det Distrikts-Norge trenger, er å få lov til å drive næringsutvikling og skape vekst på distriktenes egne særfordeler uten innblanding fra regjeringen. Borten Moe kommer med nødvendigheten av en Ja, blir ikke Borten Moe bekymret når han ser dagens utvikling, eller er det kun det å presse ut de siste dråpene for én næring som er av betydning? Det er hyggelig å høre statsministeren snakke om det lokale selvstyret. Men det er ikke mulig å overleve på fine ord. Jeg tror det var en forgjenger av statsministeren som sa at kommunene har stor frihet til å gjennomføre statlig politikk. politikk. Aldri har vel det vært sannere. Den lokale utviklingen blir kraftig hemmet av regjeringens innblanding. Vi ser at i arealpolitikken er det lite som minner om lokalt selvstyre. Om en liten bygd vil legge til rette for vekst for innbyggere og næringsliv, blir det overprøvd av byråkrater. Enstemmige og tverrpolitiske vedtak i formannskap og kommunestyre blir ganske enkelt satt til Norge trenger ikke mer dyrket mark, men vi trenger folk til å dyrke den marka vi har. Med det mener jeg at skal vi ha en lokal utvikling som ikke skal føre til sentralisering og avfolking, må distriktene få lov til å spille på sine fordeler. Den aktive distriktspolitikken som blir omtalt av regjeringen, er ikke løsningen, men dessverre svært ofte problemet. Ikkje heilt overraskande viser debatten i kveld og i løpet av dagen at høgresida sine løysingar på mange av dagens utfordringar er
det. Vær så god!

rehabiliteringsplassar blir lagde ned. I SV er me også bekymra for dette, men i motsetning til Høgre og Framstegspartiet ser me ikkje at svaret ligg i auka grad av marknadsorientering og privatisering. Er det ikkje nettopp anbodsprinsippet som er ei vesentleg årsak til desse problema? Anbod med mellom anbodsutlysingane og fokus på pris gjer at godt etablerte tilbod kan tapa anbodsrundar og investeringar til titals millionar eller meir stå utan brukarar. Dette betyr igjen tapte arbeidsplassar og tapt kompetanse. Er dette god økonomi? Helseføretak som kjøper kan nok spara nokre kroner, men samfunnsøkonomisk er det svært tvilsam butikk. Dei verkelege taparane blir i siste instans brukarane, som risikerer å måtta flytta frå ein trygg plass til ein ny som dei ikkje har tilknyting til. Dette kan umogleg bli betre med fleire aktørar som konkurrerer, snarare tvert imot. Folkeparti si bekymring for dei frivillige organisasjonane og deira tilbod på feltet er faktisk meir forståeleg. Også her er det mykje høg kompetanse som kan gå tapt. Eg ser likevel for meg ei stor utfordring i å laga eit marknadsstyrt system der dei ideelle organisasjonane skal ha eitt sett av reglar ved sida av dei offentlege og dei private i ein konkurransesituasjon. Dette vil i alle fall harmonera dårleg med dei synspunkta som Høgre og Framstegspartiet står for. SV og regjeringa ønskjer eit system som gir mest mogleg trygge og langsiktige løysingar for dei som mottek tenester innan helse og omsorg. Dei ideelle frivillige organisasjonane skal vera ein

Det internasjonale pengefondets leder, Dominique Strauss-Kahn, sa i et foredrag i regjeringskvartalet høsten 2009 at finanskrisens sosiale uro ville bli den største utfordringen de kommende år, og han sammenliknet med mellomkrigstida – skremmende! Rettferdig fordeling av innstrammingsbyrden er et nøkkelord for å takle finanskrisens konsekvenser på en anstendig måte. Rød-grønne partier har lang tradisjon for å være mest opptatt av økonomisk og sosial rettferdighet mellom folk. Grønne partier har størst troverdighet på det langsiktige forvalteransvaret. Uansett resultat av den økonomiske innstramminga i mange land vil dette gi en mer krevende konkurransesituasjon for norsk næringsliv. For å møte denne situasjonen må vi dyrke sterkere våre fortrinn. Som et resultat av politiske valg er økonomisk makt slik fordelt i Norge at vi her har fått mer jevnbyrdige økonomiske forhold blant folk enn i andre land. Eiendomsrett er fordelt på de mange, enten det gjelder den sjøleiende gårdbruker eller huseier. Et annet fortrinn er skatt etter inntektsevne med progressiv inntektsskatt og skatt på høge nettoformuer som gir arbeidsfrie inntekter. Norge har i dag ikke noen tradisjonell politisk høyrebølge, men en økende utålmodighet blant folk for å utnytte Norges enestående økonomiske handlingsrom – dette for å ta vare på de beste verdiene i annerledeslandet Norge, et land som ikke er seg sjøl nok. Jeg vil peke på fire sentrale utfordringer. Den første sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for lønnsmottakere på samme måte som at sjølstendig næringsdrivende skal gis inntektsmuligheter som gjør det attraktivt å ta et større arbeidslivsansvar enn det man har som lønnsmottaker. Den andre er å modernisere Fastlands-Norges næringsliv med en målrettet næringspolitikk som gir en kraftfull satsing på foredling av fornybare naturressurser til produkter som gir produkter og tjenester som har en høy verdi. Disse arbeidsplassene er viktigere enn andre. Dette er også å ta klimaproblemet på alvor, for det er satsing på grønn industri. Dette styrker også eksportindustrien, som i mange tilfeller sliter i dag. Se bare til treforedlinga. For det tredje må vi bedre kommunikasjonene, krympe landet og redusere avstandskostnadene. Mobildekning og fiberkabel til alle faste bosettinger er viktige stikkord. Dette krever en systemreform hvor offentlige foretak får ansvar i stedet for private aksjeselskap som sjølsagt bare gjør det som lønner seg og styrker aksjekursen. Til slutt den siste utfordringa – å forbedre livssituasjonen for dem som sliter i hverdagslivet. Altfor mange fullfører ikke sin grunnutdanning, noe som lett gir dem en taperrolle resten av livet. Stadig flere får psykiske problemer og rusproblemer i hverdagen. Hele 75 pst. av de innsatte i norske fengsler kommer tilbake. Det er en radikal økning i antall barnevernssaker. Det er nødvendig med systemreformer hvor en fellesnevner må være forebyggende og mer praktisk arbeid og utdanning som gir mulighet for at den enkelte bedre kan mestre sitt eget liv med økt sjøltillit og verdighet. Rød-grønne partier har tradisjon for å være gode på dette. Våre velgere er utålmodige, la oss lytte til den gode praksis hos dem som arbeider i førstelinjen. Jeg la merke til at representanten Lundteigen ikke nevnte dette å ta hele landet i bruk. Riktignok lå det sikkert i kortene i mye av det han snakket om, men denne gangen brukte nevnte dette å ta hele landet i bruk. Riktignok lå det sikkert i kortene i mye av det han snakket om, men denne gangen brukte han faktisk ikke uttrykket «å ta hele landet i bruk». Det har Senterpartiet ofte gjort før. Kanskje er det en grunn til at Senterpartiet ikke ønsker å bruke det uttrykket lenger. Kanskje er det slik at regjeringen faktisk ikke tar hele landet i bruk. Før valget i 2005 var spørsmålet om utplassering av statlig virksomhet et viktig tema. tema. Ikke minst flagget Senterpartiet dette veldig høyt. Da skulle man flytte ut 6 000 årsverk, synes jeg å huske fra valgkampen i 2005. Slik ble det altså ikke. Det var vel ikke stort som en pølsekiosk det som faktisk ble flyttet ut. Temaet ble sånn sett av nokså forståelige grunner nedtonet i valgkampen i 2009. Spørsmålet nå, etter det første året av en eller kan vi kanskje håpe at dette skal endre seg, at vi kan ta hele landet i bruk ved å utplassere virksomheter? Da regjeringen Stoltenberg overtok etter regjeringen Bondevik, fikk vi eksempelvis i mitt hjemfylke en ordning etter den store endringen i spillpolitikken. Da regjeringen Stoltenberg overtok etter regjeringen Bondevik, fikk vi eksempelvis i mitt hjemfylke en ordning etter den store endringen i spillpolitikken. Vi hadde lagt opp til at en avdeling av Norsk Tipping skulle flyttes til Fagernes, som kompensasjon for at Norsk Lotteridrift måtte nedlegge. Dette ble rett og slett torpedert og konsekvent undergravet av regjeringen. Slik sett ble det hele en flopp. I perioden som gikk forut for denne, hadde vi også et spørsmål om samling av Forsvarets Regjeringen har forsøkt å vri seg unna, men en hektisk jobbing fra opplandsbenkens representanter fra regjeringspartiene har ført til at ledelsen, den såkalte Sjef INI, blir flyttet. Mer interessant er kanskje hvor mange det er som har tenkt å flytte med sjefen. Det er snakk om sentrale avdelinger med ganske mange stillinger, som i dag er i Oslo, og som det var forutsatt skulle flyttes til Neste prøve blir Politiets data- og materielltjeneste, og denne gangen er det ikke så langt man skal behøve å flytte. Det er bare til Gran. Dit kan man faktisk ta toget hver eneste dag, hvis man absolutt vil klore seg fast i hovedstaden. Det skal bli interessant å se om regjeringen greier å mobilisere såpass mot at den greier å få til en flytting, om det så ikke er lenger enn til Gran. Det er viktig for det teknologiske miljøet der viktig for det teknologiske miljøet der og for det teknologiske miljøet som ligger på Raufoss og rundt Gjøvik, at man får dette til. Her burde det være mulig å få til noe. Vi får se om Senterpartiet har noe gjennomslag. Det er

Akkurat disse ordene er Fremskrittspartiet helt enig i er særdeles viktig for mennesker i deres liv. Videre sier regjeringen: «Regjeringens mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv.» Men det holder ikke for alle de 262 000 som står i sykehuskø, å høre at regjeringen legger fram forslag om en «helse- og For disse mennesker gjelder konkret målsatsing og handling. Fremskrittspartiet har alltid prioritert og vil alltid prioritere sykehus. Jeg mener at mennesker er den desidert viktigste ressurs vi har. Den beste investeringen man kan gjøre, er å behandle folk som er syke og venter i sykehuskø. Dette handler ikke bare om respekt og verdighet for den enkelte, men også om det faktum at mennesker som ellers kunne ha vært i arbeid, blir stående utenfor. Det å bli tatt på alvor og få behandling når man trenger det, samt å gi folk trygghet for at man alltid skal kunne være sikker på å få hjelp når behovet er der, er grunnleggende i en velferdsstat. I dokumentet fra regjeringen er det for meg ingenting som sier at folk som fortvilet står i sykehuskø, er viktig. La meg nevne et eksempel. Sentralsykehuset i Vestfold driver over halvparten av sine sengeplasser i gamle bygningsmasser på dispensasjon. Det har vært en gjennomgang av den tekniske standarden i bygningsmassen, Skulle dette skje, ja da må både A-blokken og B-blokken stenges, dvs. over halvparten av sengene ved sykehuset. Sykehuset har ingen midler til investering fram til 2020. Dette må de ta over sitt ordinære driftsbudsjett, noe som Jeg må spørre om regjeringen mener dette er trygghet eller å satse på menneskene, som er en viktig ressurs. Det er nedslående at sykehus ikke er nevnt med et ord i denne trontalen. Min konklusjon er at med denne regjeringen går Sykehuset i Vestfold samt andre sykehus en dyster tid i møte. Dette har vært en underlig debatt, der regjeringspartienes representanter har brukt mer tid på å fortelle om eventuelle scenarioer dersom Høyre og Fremskrittspartiet skulle styre landet, og om om hvor forskjellige vi er. Ja, vi er forskjellige. Fremskrittspartiet vil gjøre noe. Regjeringen synes alt er bra – slik det har vært, slik det er, og slik det tydeligvis kan være i fremtiden – uten å mene noe om sin egen fremtidspolitikk. Jeg kan forsikre foregående taler om at helse er

som vi har investert i denne sektoren. Det ville vært bedre om opposisjonen brukte mer tid på en reell virkelighetsbeskrivelse ved å bruke kreftene i denne viktige debatten til å diskutere hvordan vi skal bruke ressursene vi har til rådighet, på en bedre måte enn å privatisere. Hva svarer så vi rød-grønne? Ett av våre svar er Samhandlingsreformen. Vi møter de framtidige behovene for tjenestene våre ved å tenke nytt, forebygge og behandle til rett tid på rett sted. Penger er ikke bestandig svaret. Vi vil bruke dem, men hvilken måte vi bruker dem på, er det viktige. Samhandlingsreformens tanker må på plass for framtidens gode helse- og omsorgstjenester. Omsorg er mer enn bare helsetjenester. Det er mennesker med en varm hånd, det er god mat, og det er nyvasket hår og har alle rett på å bli sett i alle faser av livet. Omsorg handler om respekt og mulighet til å delta – til å være med i den grad vi selv velger det. Derfor innføres verdighetsgarantien. Det var et forlik mellom de rød-grønne partiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, noe som Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville være med på, fordi de sa at det ikke ville bli noe av. Nå er det her. De gode eksemplene på varm omsorg er lette å finne, og jeg har besøkt mange av dem som har lyktes. De som har lyktes, er målbevisste og finner gode ting som lykkes. Et prosjekt jeg har lyst til å dra spesielt fram, er Livsglede for Eldre, som gjør veldig mye bra. Et godt offentlig pleietilbud, slik som vi i Arbeiderpartiet kjemper for at det skal bli, er motsetningen til det markedsstyrte, der 200 flere plasser i rød-grønne Trondheim mot debatten i borgerlig styrte Oslo – jeg er ikke i tvil. Jeg har tro på at kommunenes evne til å løse utfordringene i offentlig regi er bra nok, for de er like opptatt av å tilby gode pleie- og omsorgstjenester til sine innbyggere som det vi er. Det blir ikke sagt så

som slår fast at vi klarer Afghanistan-oppdraget, men det er nå helt marginalt. Vi driver rovdrift på våre soldater som er i utenlandstjeneste, og på våre offiserer. Vi har en hvileperiode mellom de som må innkalles gang på gang, som er langt unna den norm som NATO anbefaler, og vi får antakelig noen langsiktige problemer med rekruttering og drift av våre utenlandsoperasjoner som sannsynligvis vil gi noen økonomiske utfordringer som jeg er sterkt i tvil om vi i morgen kommer til å ta høyde for budsjettmessig. Dette kommer også til å utvikle en form for profesjonalisering som muligens står i stil med det brede ønsket i Stortinget om å ha en verneplikt gjennom en førstegangstjeneste som skal rekruttere både ute og hjemme. Er det sånn at vi har en kultur blant våre folk i Afghanistan, soldater og offiserer, som ikke holder mål? Dette er blitt dagens tema i for liten grad, men var forrige ukes store samtaletema. La det være sagt fra min side at ukultur selvfølgelig skal tas ved roten. Det hører overhodet ikke hjemme i det norske forsvaret. Men samtidig vil jeg bare si at fra vår hjemlige, varme sofakrok tror jeg det er svært så vanskelig å sette seg inn i hverdagen til norske soldater som opplever en mye mer tøff og vanskelig situasjon i Afghanistan enn noen gang før. Derfor var det svært skuffende de voldsomme fordømmelsene som forsvarsministeren og forsvarsledelsen kom med overfor norske soldater, og som står i grell kontrast til den informasjonen vi har hørt år etter år, nemlig at norske soldater står for et høyt militærfaglig og etisk nivå. Dette er den informasjonen vi har hørt hvert bidige år. Det er en informasjon det en informasjon det er ingen grunn til å betvile, men som nå nærmest er snudd opp ned etter at en reporter fra et mannfolkblad etter et seks dagers opphold i Afghanistan kan fortelle det norske samfunn at vi har en kultur som nærmest er på et lavmål, og som blir fordømt av dem som først og fremst burde sørge for at skittentøyvasken blir tatt tjenestevei, og ikke henge ut

De sier at de rød-grønne partiene, og spesielt Arbeiderpartiet, først og fremst er opptatt av staten, og ikke av hele samfunnet. Det må jeg si er en veldig spesiell betraktning. Jeg hører ikke noen representanter fra høyrepartiene foreslå rene, private løsninger innenfor velferden. Det er jo slik at de forutsetter at alt det de kaller for private løsninger, løsninger, skal være finansiert av staten. Å gjøre et forsøk på å lage et skille mellom det de kaller for det sivile samfunn, og staten, er et kunstig og selvfølgelig helt urimelig skille. Det er et samspill mellom det sivile samfunn og det vi kan kalle for den organiserte stat som er måten å bygge et moderne og åpent demokrati på. At man forsøker å så tvil om det, meg helt uforståelig. Det bør i tilfelle forklares nærmere hvordan det private samfunn da skal finansieres, hvis det ikke skal finansieres av staten slik som Høyre i hvert fall hittil har forutsatt skal være ordningen innenfor den private basen. Det er den ene betraktningen jeg hadde. Så sa Røe Isaksen noe i sitt innlegg som virker veldig tilforlatelig. Han sa at vi må ha et balansert samfunn. Skatten skal ikke være for høy, og den skal ikke være for lav. Nei, det er klart, det. Men hvor høy og hvor lav, er selvfølgelig et veldig interessant spørsmål. Dette forsøket fra Høyre på å kamuflere sin argumentasjon med å snakke seg vekk fra at de vil en annen samfunnsmodell enn den sosialdemokratiske modellen, den sosialdemokratiske modellen, skal ikke lykkes, for det blir nemlig gjort ved denne typen argumentasjon her i stortingssalen og ellers i den offentlige debatt, og det skal ikke lykkes. Til det er sentrum–venstre-siden for sterk. Til slutt vil jeg bare si at offentlig sektor er blitt angrepet av veldig mange Høyre-representanter i denne debatten på en helt urimelig måte, selvfølgelig. Det jeg aldri slutter å forundres over, over, er at Høyre-representantene ikke ser at offentlig sektor er en stor ressurs for privat sektor. Hadde vi ikke hatt offentlig sektor i den størrelsen og med den vitalitet vi hadde under finanskrisen, hadde fleksibiliteten og muligheten til å håndtere dens utfordringer vært mye mindre enn det den har vært. Norsk næringsliv er veldig glad for at ikke de måtte ta støyten, men at offentlig sektor tok mye av den

Svaret må åpenbart være nei. Fører bruk av private tjenesteleverandører til økt behov for kontroll av kvalitet og innhold? Vel, burde ikke kvaliteten og innholdet hos de offentlige tjenesteleverandørene utsettes for den samme kontroll som hos de private tjenesteleverandørene? Eller er det greit å ikke vite noe om kvaliteten all den tid borgerne ikke kan velge noe annet likevel? Høyre ønsker valgfrihet for alle. Arbeiderpartiet og SV vil forbeholde valgfrihet for dem som har råd til å betale for det. Det er i realiteten etter mitt skjønn dypt usosialt og urettferdig. Vi må slippe alle gode krefter til for å kunne tilby god kvalitet i tilstrekkelig omfang i offentlige tjenester. La oss ikke falle i den fellen at vi tror at offentlige virksomheter har monopol på gode ideer. Det betyr ikke at de har dårlige ideer. Tvert imot, offentlig sektor bidrar med masse. Det skal vi være glad for. Samtidig betyr det ikke at de bidrar med alt, og at de ikke kan bli bedre. Det er åpenbart ikke slik at offentlig virksomhet har monopol på gode ideer – noe Stoltenberg I-regjeringen var enig med oss i, Stoltenberg II-regjeringen dessverre ikke. Statsministeren er også bekymret for at markedet skal styre de offentlige tjenestene, og det ville selvsagt være ille hvis det ble en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel i det offentlige tjenestetilbudet. Tilstanden i helsevesenet og rusomsorgen viser at statsministeren foretrekker at betydelig etterspørsel møtes med et begrenset tilbud. Utenriksministeren og representantene Pedersen og Solhjell har merket seg at jeg mener målet med velferdsstaten må være å hjelpe flest mulig mennesker til å stå på egne ben og leve av egen kraft. Det har åpenbart oppstått noen misforståelser om hva dette innebærer. La meg derfor oppklare: Det handler om å sette mennesker i stand til å leve av egen inntekt fremfor offentlig stønad. Det handler om å skape muligheter – ikke bare for noen, men for alle – ved å bidra til at de som kan være i aktivitet og jobb, kommer i aktivitet og jobb. 800 000 mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge – mange av dem ufrivillig. Det er uakseptabelt at mennesker som vil og kan bidra, ikke får mulighet til å gjøre nettopp det, og det er merkverdig at regjeringen gjemmer seg bak lave ledighetstall når én av fire nordmenn i

det. Vær så god!

suksessen som norsk næringsliv har. Suksessen som norsk næringsliv har, byggjer bl.a. på ein velutbygd velferdsstat. Høgresida har ein tendens til å seie at velferdsstaten er ei belasting for næringslivet. Det er fullstendig feil. Det er nettopp næringslivet som treng ein velutbygd velferdsstat. Det er nettopp den tryggleiken som velferdsstaten gir, som gjer at dei tilsette kan konsentrere seg om å vere innovative og bruke tida si på å drive verdiskaping. Eg var saman med Erna Solberg for ei tid sidan i ein debatt om innovasjon. Der var det ei dame som hadde fått den kvinnelege gründerprisen i år. Ho fortalde at hadde det ikkje vore for barnehagedekninga i Noreg, Det viser berre at det som Høgre rakkar ned på og seier er ei belasting for næringsutvikling, er ein føresetnad for næringsutvikling i Noreg. Høgresida er dei som rakkar ned på det som byggjer velferden og som byggjer næringsutvikling, og dette viser at velferd og næringsutvikling er to sider av same sak. Den andre saka som Høgre og Framstegspartiet rakkar ned på, og som er veldig viktig for næringsutvikling i Noreg, Noreg, er den statlege eigarskapen. Den statlege eigarskapen i energisektoren og ikkje minst i oljesektoren har ikkje berre skaffa oss eit oljefond. Det er den statlege eigarskapen i oljesektoren som gjer at vi har verdas beste leverandørsektor. Den statlege eigarskapen i oljesektoren utviklar underleverandørar – han utviklar ein leverandørsektor som gjer at vi i dag har mellom 50 pst. og 80 pst av

Høgre privatisere og gje frå seg fellesskapets verdiar, også dei pengemaskinane som framleis er i statleg eigarskap. Så høgresida ser seg blind på skatt og rakkar ned på dei tinga som har bygd næringslivet i statleg eigarskap. Så høgresida ser seg blind på skatt og rakkar ned på dei tinga som har bygd næringslivet i Noreg. Konklusjonen på foregående innlegg må vel være at Sosialistisk Venstreparti er for oljeinntekter, men mot oljevirksomhet. Men jeg begynner med et sitat: U-landene må ta mer ansvar for å komme seg ut av Bistand skal ikke lenger være en selvfølge, og nå er det på tide at flere av landene tar grep selv. Dette er altså ikke et sitat fra et bistandspolitisk seminar i Fremskrittspartiet. Det er statsminister Jens Stoltenberg som sa dette i et intervju med NRK 21. september i år. Så nå er vi spente. Vi ser frem til en omfattende strukturell omlegging av u-hjelpen i det statsbudsjettet som legges frem – senere i dag. Litt skuffende var det derfor at bistand bare ble nevnt i en bisetning i trontalen, og uten at noen endringer ble varslet. I september var jeg på besøk i en del land i Afrika, og la meg ta et eksempel. Tanzania har vært hovedbistandsland for Norge i snart 50 år. Norge har bidratt med over 22 mrd. kr til Tanzania siden 1962. Men situasjonen er tragisk. Det er ikke mange andre enn bistandsorganisasjonene som har nytt godt av bistanden. Veiene er elendige, folk bor i bølgeblikkskur eller stråhytter, det er ikke innlagt strøm og vann. Hvor er det blitt av resultatene av alle disse milliardene, spør mange, herunder statsminister Jens Stoltenberg. Og vi føyer til: Hvor lenge skal vi fortsette å pøse på med milliarder til ingen nytte? 50 år til, 100 år? Jeg bare spør. Vi trenger en omfattende reform innen bistand til fattige land. I dag sprer Norge pengene tynt utover til over hundre land. Antallet bør reduseres slik at Norge får ansvaret for noen ganske få land, som vi kan lære oss å kjenne godt. Andre giverland kan da trekke seg mer eller mindre ut av disse landene og ta ansvar for land som Norge ikke engasjerer seg sterkt i. Dette vil ansvarliggjøre giverlandene. Norge vil da ha et konkret ansvar for å få bistanden til å fungere i noen land, bort fra. Så må vi satse på de viktigste tingene først: bygge opp veinett og havner og tilførsel av vann og energi, og gi de fattige landene tilgang til verden med sine eksportprodukter. WTO, Verdens handelsorganisasjon, er et godt utgangspunkt for slikt arbeid, arbeid, siden de aller fleste bistandsmottakende land er medlemmer i WTO. Når produksjon, handel og transport er i orden, følger resten av seg selv. Nå venter vi på regjeringen. På Facebook finnes det en gruppe som heter Framsnakking. Den er stor, og

for når opposisjonen omtaler regjeringa, og ikke minst hvordan nasjonen Norge fungerer, ja da er det ikke mye godord å høre: Det er krise i landet, noe som skyldes en rød-grønn regjering. Både i seg selv og i forhold til andre land har aldri sykehus, skole, samferdsel, byråkrati, skatte- og avgiftsnivå, innvandring og kriminalitet vært verre enn det er i dag, og aldri har vi brukt så mye Opposisjonens budskap utover dagen, kvelden og natten har blitt stadig mer entydig. Så de som fortsatt tror at det er noe i det norske samfunnet som fungerer, må nå begynne å tro om igjen – for det er krise i landet. Jo da, helt innledningsvis i dag var det noen av de ledende opposisjonspolitikerne som sa at de fleste har det ganske bra her i landet. Men dette har, mildt sagt, ikke vært fulgt opp senere i debatten: Det er krise i landet. Men opposisjonen skal ha dét, den feiger ikke ut. Den er offensivt beredt til å redde nasjonen. Og som medlem av denne framsnakkingsgruppa skal jeg prøve nettopp å prate opposisjonen – som nå består av Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet – opp, tolke dem i beste mening, legge merke til alle godbitene som har kommet, alle gladnyhetene som har kommet i forbindelse med det prosjektet, for de er der virkelig. De sier til oss at de både skal gjøre de rike rikere og gjøre forskjellene større og samtidig ikke gjøre det ved å bedre fordelingen både skal dempe det offentlige pengeforbruket og samtidig forkaste hele handlingsregelen både skal forkaste forestillingen om menneskeskapte klimaendringer, samtidig som de skal trappe heftig opp med nettopp å dempe eller fjerne de miljøuheldige menneskeskapte aktivitetene både skal redusere antall sykehus og redde de samme sykehusene både skal avvikle velferdsstaten som universell for oss alle og bygge den videre ut både skal redusere kraftig innvandringen og samtidig øke den både skal

øke dem både skal redusere kontroll og byråkrati, og de skal redusere det Her er det mange godbiter for oss alle sammen, og dermed har jeg bidratt til framsnakking av opposisjonen. Flere av dagens talere har vært opptatt av Kristelig Folkepartis identitetskrise, og det er

Jeg skal ikke her og nå kaste meg inn i kampen om partiets sjel. Det er nok av dem som gjør det. Men jeg må innrømme at jeg finner det ganske ufattelig at et parti som oppvartes av friere både til høyre og til venstre, har manøvrert seg inn i en situasjon der de slites sønder av sitt Hvorfor – og i dette tilfellet håper jeg at presidenten tillater benevnelsen – i Herrens navn skal Kristelig Folkeparti i det hele tatt måtte forholde seg til et parti som står så fjernt fra de kristne verdier som Fremskrittspartiet? Er det slik at Kristelig Folkeparti trenger Fremskrittspartiet – og i så fall: til hva? Er det for å sikre de eldres og uføres levekår? Er det bistandspolitikken, klimapolitikken eller fattigdomskampen som gjør Fremskrittspartiet til en naturlig alliansepartner? Jeg kan knapt se noe område der Kristelig Folkeparti trenger Fremskrittspartiet. Derimot er det høyst sannsynlig at Fremskrittspartiet kan komme til å trenge skal komme i regjeringsposisjon. Og da burde spørsmålet snarere rettes til Fremskrittspartiet. Hva vil Fremskrittspartiet gjøre for å fortjene Kristelig Folkepartis støtte? Vil de imøtekomme Kristelig Folkeparti i alkoholpolitikken, i asylpolitikken, i skattepolitikken, i sosialpolitikken, i helsepolitikken eller i samferdselspolitikken, for den saks skyld, der det er milelang avstand mellom Bård Hoksrud og Knut Arild Hareide? I så fall blir det jo slutt på alt snakk om salg av alkoholholdige drikkevarer på landets bensinstasjoner, økte fartsgrenser og bompengefinansiering av veiene. Det ville i og for seg øke edrueligheten i norsk politikk. Men det er ikke mer sannsynlig av den grunn. For øvrig er det nok en gang viktig å merke seg Fremskrittspartiets landbrukspolitiske nytenkning. Jeg tror det er første gang det her i denne salen tas til orde for å bytte ut landets bønder med sykehjemsplasser. Til representantens spørsmål om hvorvidt begrepet «i Herrens navn» er parlamentarisk, kan presidentene meddele at det er det ikke. Det må være mulig å finne andre begreper når en skal få fram sine politiske poenger, selv om denne presidenten er opptatt av at en skal ha en relativt høy terskel før en påtaler uparlamentarisk språkbruk. Når man blir eldre, husker man dårligere. Dette er

finanskrisen. Men jeg satt i finanskomiteen under finanskrisen og kan ikke komme på en eneste sak som opposisjonen stemte imot. Tvert imot, vi tilskyndet en rask votering for å få sakene igjennom, fra de første bankpakkene til den siste verftspakken, som kom nå i vår, og som vi på toppen av det hele etterlyse. Men igjen: Det kan være slik at hukommelsen svikter meg. Så blir vi anklaget for å komme med elendighetsbeskrivelser gjennom hele dagen. I innlegget til representanten Myrli, som tar utgangspunkt i i presidentens tale på lørdag, sier han at vi trenger en opposisjon. Samtidig er representanten Myrli furten for at vi har noen egne oppfatninger. Men det må jo opposisjonen få lov til å ha, og det håper jeg at regjeringen – og i hvert fall regjeringspartiene her – synes er greit. Egentlig tok jeg ordet for å replisere til lederen av næringskomiteen, som mener at man har lyktes så godt i som mener at man har lyktes så godt i Norge med den norske modellen fordi man lytter til fagbevegelsen og har dette trepartssamarbeidet, og at det er det som har skapt denne unike samfunnsmodellen, som ikke ligner noe annet kjent fenomen i den vestlige verden. Lakmustesten på dette skal være at undertegnede har ytret seg positivt om midlertidige ansettelser på NHOs Småting i Alta i høst. Ja, vi trenger ordninger som kan få noen av de 700 000 som er utstøtt fra arbeidslivet, og som jeg ikke har hørt et eneste ord om her i dag, inn i arbeidslivet igjen. Men da næringskomiteens leder var på Småtinget i Alta, møtte han den andre parten i trepartssamarbeidet. Da møtte han bedriftene, og han møtte et massivt krav fra små og mellomstore bedrifter, fra flere hundre, som stilte ham overfor krav om forenklinger, redusert skjemavelde, avbyråkratisering og et mer fleksibelt arbeidsliv, om at det må lønne seg å jobbe, at man må redusere toppskatten, at man må ha smartere bedriftsbeskatning ved å forbedre avskrivningsregler, at man må redusere formuesskatten, osv. Når næringskomiteens leder anklager meg for ikke å lytte til LO ved å foreslå midlertidige ansettelser, hva skal vi si om hans opptreden med hensyn til små og mellomstore bedrifter? Jeg tror at det etter denne dagen kan være grunn til å tenke seg litt mer om før man svartmaler opposisjonens innlegg for mye.

Alt dette er antakelig motivert av to ting: vissheten om at et eget indre kaos med tilhørende problemer bør tildekkes så fort som mulig, og et løftet øyebryn over Høyres gode meningsmålinger den siste tiden. Jeg skal naturligvis ikke bruke så mye tid på regjeringens indre liv. Jeg skal forresten heller ikke bruke mye tid på våre meningsmålinger, da jeg er av den oppfatning av at de heller ikke betyr så veldig mye i denne sammenhengen. Men jeg vil nevne at de gir oss én liten fordel. Når vi gjør gode meningsmålinger, kommer vi på med vår politikk. politikk. Det er det som har skjedd i sommer. Høyre har kommet på med egen politikk. Velgerne har likt det de har hørt, og så har de gitt oss positive tilbakemeldinger. For de rød-grønne er det altså all grunn til å se mørkt på det. Er det da så stor forskjell på politikken til de rød-grønne og politikken til Høyre? Jeg registrerer at det har vært gjort forsøk på å beskrive forskjellen ut fra hva søsterpartiene på begge sider gjør forskjellige steder i verden. Dette mener jeg er en feil tilnærming. I denne debatten kan det er den største forskjellen at Høyre i mye større grad enn de andre bygger politikken nedenfra. Vi ber folk engasjere seg i eget lokalsamfunn og skape gode løsninger der. God politikk skapes så nær innbyggerne som mulig. Dette betinger to viktige politiske grep som jeg mener mangler i det rød-grønne prosjektet. Det ene er at man flytter makt ned til de folkevalgte så mye makt at man kan skape lokale løsninger som passer der folk bor, og ikke bare på ministerens bord. Det andre grepet, som er like viktig, er at man bevilger så mye frie midler at det er mulig for lokaldemokratiet å utøve sin makt. Med den nåværende regjering har lokaldemokratiet fått lite midler, det har fått lite makt, og det har måttet gjøre knefall for bl.a. plan- og bygningslov, regionreform og vernepolitikk. Flere representanter fra Arbeiderpartiet har vært oppe og hyllet historiske reformer med slogans som at nå bruker industriarbeideren og direktøren samme sykehus, og nå går direktørens datter og industriarbeiderens sønn på samme skole. Denne drømmen er dessverre en illusjon. Denne drømmen ville jo ha vært fin, men den forutsetter for det første at vi er helt sikre på at det er det beste sykehuset det er snakk om, og at det er den beste skolen de går på. Her kommer vi til kjernen i debatten. Ingen av de rød-grønne tør å snakke om kvalitet når de skal snakke om skole eller helsetjenester. Nei, hvis skolen eller sykehuset er offentlig eid og alle de ansatte er organisert, får det klare seg. Man sier altså tvert nei til et privat korrektiv, slik at man har noe å måle kvaliteten på offentlig tjenesteproduksjon mot. Det er all grunn til å beklage dette faktumet. Det er også all grunn til å beklage det på vegne av de offentlige tjenesteleverandørene. Det er derfor noen direktører eller industriarbeidere kjøper seg en plass i en bedre skole eller på et bedre sykehus.

Vi har heldigvis ikke de store konfliktene i norsk politikk sammenlignet med i mange andre land. Jeg tror også at vi gjennom alle år stort sett har vært enige om utbyggingen av den norske velferdsmodellen. Derfor føler jeg heller ikke noe særlig for den elendighetsbeskrivelsen av dagens samfunn som vi har hørt fra enkelte her i dag. Når da så mange representanter med stor selvsikkerhet sier at hvis de borgerlige kommer til makten, vil velferden bryte sammen, blir det litt paradoksalt. Der jeg kommer fra, har vi et uttrykk som, hvis noen overdriver voldsomt, sier at «nå ljuger de så de trur det sjøl». Det er knapt så jeg kan tro at alle mente det som ble sagt i salen her i dag. Det er gjentatte ganger sagt at alt blir privatisert – skolene, omsorgen – og at det blir innført enorme skattelettelser. Nei, Høyre vil ikke privatisere alt. Høyre mener, i likhet med Arbeiderpartiet, vil jeg tro, at kjernen i omsorgen er det offentlige, men vi tror på et supplement av private løsninger. Høyre vil ikke privatisere alle skolene. Høyre tror på en god offentlig skole, men vi tror på at et supplement av private skoler vil være berikende for oss alle. Og Høyre vil ikke rasere landbruket. Høyre tror på et bærekraftig landbruk i hele landet, men mener at byråkratiet er blitt så stort at det er tyngende, og at det er en belastning for veldig mange. Lokaldemokratiet føler vi er i ferd med å forvitre. Lokale vedtak må i dag i det alt vesentlige godkjennes av fylkesmannen eller av staten. Derfor har vår partileder, Erna Solberg, sagt at vi ønsker å overta makten for å gi den tilbake til folket. Vår parole er ikke at alle skal med, men: en mulighet for alle.

må jeg si at jeg på min reise fant mennesker med en annen tro, et annet levesett og andre verdier som jeg følte meg mer beslektet med enn med de verdier Tybring-Gjedde representerer. Den flotte utfordringen det er at vi alle blir eldre, og at flere vil trenge god eldreomsorg, kan vi bare møte gjennom at alle får bidra. Det krever hender og hoder i rikt monn.

Vårt eget kontinent, Europa, er ikke noe unntak. Når høyresiden spør om hva som er vårt store prosjekt, er det lett å gi svar. Vårt prosjekt er å holde landet vårt sammen. Det handler om å gi en klar beskjed om at alle trengs, og å bekjempe arbeidsløshet og fattigdom. Vi må hele tiden ha et kritisk blikk på om fellesskapets ressurser blir brukt på en best mulig måte – ikke for å kutte skattene, slik høyrepartiene vil, men for å investere bedre i folk. Men det er et paradoks at når offentlig virksomhet bruker ressurser på det som ikke kan telles, måles og regnes, skriker Høyre opp om sløsing med skattebetalernes penger, mens hvis et kommersielt selskap driver velferd og dytter utbyttet i private lommer, er det uttrykk for effektivitet og gründervirksomhet. Alt kan ikke måles, telles og regnes – kanskje minst av alt det viktigste i livet. Derfor må vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Når jeg ser utover denne sal, ser jeg mange av dem som ville mottatt høyresidens skattelettelser. Men, mine velfødde kolleger: Vi har til salt i maten. La oss vise oss store og heller gi håp og muligheter til dem som har gitt opp, de som ikke tror på en bedre framtid! Det som skiller oss fra høyresiden, er vår evne og vilje til å investere i folk. Utfordringene som ligger foran oss, er mange. La oss brette opp armene og ønske hverandre en arbeidsom høst!

og som aldri vil svare for seg eller fortelle virkeligheten om sin politikk. Dette er feil, og jeg tar avstand fra en slik beskrivelse. Vi i Høyre driver med politikk av akkurat samme grunn som alle andre her inne, nemlig et genuint ønske om å gjøre Norge til et godt sted å bo. Vi har bare andre løsninger for å oppnå dette, og det må være lov uten å bli beskyldt for å drive en slags tilsløring av virkeligheten og forfekting av en politikk som ikke har folks ve og vel som mål.

nekter regjeringen å la de private kreftene slippe til innenfor helsetjenestene. Dette er grunnen til at helsekøene har økt og fortsetter å øke under denne regjeringen. Dette er grunnen til at ungdom som sliter med psykiske lidelser, blir sittende i kø helt til de har blitt så syke at de kvalifiserer til innleggelse på sykehus – av frykt for selvmord. Dette er grunnen til at folk som har god råd, betaler seg ut av køen og inn på private helseinstitusjoner. Det er denne politikken som fører til klasseskille og forsterker forskjellene i samfunnet. Høyre velger pragmatikk fremfor idealisme i helsepolitikken, og vi vil legge til rette for at folk skal kunne få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat. Det viktigste er tross alt at folk blir friske og raskere får tilbake en god livskvalitet. Avslutningsvis vil jeg også kort kommentere noe av det som har blitt sagt om markedskreftene her i dag. Statsministeren sa selv fra talerstolen at han er imot markedet og Hvorfor skal markedet, som tross alt består av alle oss som lever i dette samfunnet, fremstilles som det kalde alternativet til statens fellesskap? Det er ikke staten alene som står for verdiskapingen og det fellesskapet som utgjør den norske modellen. Det er menneskene som bor her, og da også det markedet vi sammen fungerer i. I fremtiden er det veksten og verdiskapingen, først og fremst drevet fram av det private initiativ, som vil trygge velferden – ikke staten. Statens oppgave må være å legge til rette for verdiskaping og menneskers mulighet til å leve av egen kraft. Det er dette som bygger samfunnet vårt, og det er dette som vil bære Norge videre i fremtiden. Derfor tror jeg på markedet og markedskreftene, i motsetning til statsministeren.

dobbel penicillinkur. Det har naturligvis ingenting med debatten å gjøre, men det slo meg egentlig tidligere i dag at kanskje var det også andre som har hatt ordet som har gått på en slags medikamenter, for maken til grunnløse og nærmest desperate angrep på Høyre og opposisjonen er det sannsynligvis lenge siden vi har hørt! Sonja Sjøli sa at hun har sittet 13 år på Stortinget og har aldri hørt lignende, og det lover jo ikke godt. Nå har regjeringen vært i hardt vær en stund, og det er faktisk ikke opposisjonens skyld. Det har den klart helt på egen hånd. Det er mulig at noen har tenkt i mørke korridorer de siste dagene at angrep er det beste forsvar. Mange sitater og utsagn har kommet. Jeg har bare notert meg noen ganske få: Høyre angriper alltid velferdsstaten, rakke ned på velferden, var det en som også sa nå nylig – Høyre angriper «konsekvent» den norske modellen, og hvis vi skal tro regjeringspartienes representanter, kommer det til å bli minst like ille som i Italia dersom Høyre vinner neste valg. Det er ikke det Høyre som jeg er medlem av, som beskrives her. Det er ikke det. Det Høyre som jeg kjenner og er medlem av, er et parti som kanskje ikke er like opptatt av modeller og systemer, men som er opptatt av mennesker, som er opptatt av de menneskene som disse modellene eller systemene faktisk skal hjelpe. Hvis det er slik i Norge at det er noen som faller utenfor, har vi altså fremdeles noen systemfeil å diskutere. Og jeg tror at alle som følger med, må kunne se at vi har et paradoks i dagens Velferds-Norge – vi kan godt kalle det for velferdsparadokset – og det er at mens vi stadig bygger ut velferden slik at den omfatter mer og mer og treffer flere og flere, og det er bra, er det slik at de som faller utenfor, faller til de grader og oftere utenfor, Derfor brukte det Høyre som jeg kjenner, masse tid og masse ressurser under ledelse av Erna Solberg på å utmeisle et nytt program som vi kalte for «ny sjanse» – en ny sjanse for dem som faller utenfor, for det er fremdeles noen som gjør det. Og hvis vi luller oss inn i den troen at vi har et velferdssystem som når alle, ser vi ikke de aller svakeste. Norsk politi og

Rettssikkerheten er her avhengig av økonomi. Regjeringen, med statsråd Storberget, påstår at rettssikkerheten i Norge er god. Sammenlignet med hva? Med Kongo? Ja, da er den sikkert bra nok. Men hva med alle dem som blir dømt for kriminelle handlinger, og som faktisk ikke har gjort det de blir dømt for? Hva med dem som er blitt dømt for handlinger ut fra dårlige eller manglende bevis? Men da har vi jo noe som heter Den har blitt regjeringens alibi for rettssikkerheten, og for all del, kommisjonen har tatt opp mange saker, og mange har omsider blitt frikjent etter en feil dom. Dette gjelder for en stor del det som jeg vil kalle mindre saker, saker uten altfor mye og stor prestisje. Men når det gjelder store saker med stor prestisje, da er det noe annet. Det er en kjensgjerning at både politi og domstoler, med eller uten hensikt, gjør feil. Når vi ser på f.eks. Treholt-saken, er det en stor sak som det ligger mye prestisje i. Jeg sier ingenting om Treholts skyld eller uskyld, jeg bare spør ut fra de opplysningene som nå har kommet fram, om politi og rettsvesen på grunn av prestisje kan gjøre som de vil. Etterforskere står fram og forteller om uregelmessigheter i etterforskningen, og det er ikke holdbart i et rettssamfunn. En annen sak er Torgersen-saken. Det er også en stor sak med mye Her er det ene såkalte beviset etter det andre tilbakevist som i beste fall lite troverdig og lite relevant, i verste fall at Torgersen ikke kunne ha avsatt sporet som beviset bygger på. I straffeprosessloven er det klare retningslinjer for hva som kan føre til gjenopptakelse. Når rettsvesenet og kommisjonen ikke makter å leve opp til dette, må det tas på alvor og gjøres tiltak for å rette opp tilliten til rettsvesenet. Prestisje og politikk skal ikke hindre at det norske folk får en rettferdig behandling av politi og rettsvesen. I matematikken blir minus og minus pluss, men der ville det dermed si at hvis samme feil gjentas, så blir den riktig av den grunn. Det er sent, og

gjennomført. Jeg la med bekymring merke til at statsministeren i sitt innlegg i dag ikke nevnte forsvarsbevilgningene med et eneste ord. Det er behov for et stort løft for Forsvaret for å ta igjen det som er tapt. Lenge var uttrykket «Aldri mer 9. april» en bærebjelke i norsk forsvarspolitikk. Aldri mer skulle Norge møte en trusselsituasjon eller et overraskende angrep uforberedt, og aldri mer skulle Forsvaret bygges ned til et nivå der vi i praksis ikke hadde noe forsvar. Men det er dessverre faktisk en del paralleller mellom mellomkrigstiden og vår tid. I flere uttalelser fra den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet legges det til grunn at vi nærmest ikke har potensielle trusler. Og jeg minner om at en av våre fremste utenrikspolitikere i det forrige århundre, nemlig i 1939 uttalte: Vi har ingen fiender, vi har bare venner. I 1920-årene og det meste av 1930-årene regnet man krig på norsk jord som helt utenkelig, og vedtok flere forsvarsreformer som aldri ble gjennomført på grunn av underfinansiering. Er det noen som kjenner igjen mønsteret? Ledende politikere regnet med at om en spent situasjon likevel skulle oppstå, skulle det folkerettslige byggverket, voldgiftsavtaler og Folkeforbundet verne oss

og som er i gang med en stor militær opprustning. Det er ikke usannsynlig at spenningen mellom stormaktene vil øke i framtiden, og at nordområdene vil bli mer strategiske både militært og ressursmessig. Historien lærer oss at et sterkt og troverdig forsvar til syvende og sist er bæreplanken i vår sikkerhet, og kan ikke erstattes av andre ordninger. Derfor trengs det et skikkelig løft for Forsvaret. I morgen får vi se om regjeringen tar den

i årene som kommer. Mange av de sakene skal vi komme nærmere tilbake til og konkretisere her i stortingssalen i løpet av denne sesjonen. Det som er klart etter dagens debatt, er at de to høyrepartiene ikke er fornøyde med regjeringen. Det er ikke så veldig overraskende. Det er opposisjonens rolle. Mer overraskende er den gjennomgående svartmalingen av det norske samfunnet som sådant, som Høyre og Fremskrittspartiet har tatt til orde for her i salen i dag, og også mangelen på framtidstro til tross for det fantastiske utgangspunktet vi har i Norge. I trontaledebatten i fjor ble Høyres og Fremskrittspartiets parlamentariske ledere nærmest litt småfornærmet da de ble utfordret på byggeprosjektet på borgerlig side. De ville heller diskutere politikk, sa de. Jeg skjønner at Erna Solberg og Siv Jensen vegrer seg for å snakke om hva som er summen av Høyres og Fremskrittspartiets økonomiske politikk, summen av deres klimapolitikk og summen av deres innvandringspolitikk. Men når Høyre og Fremskrittspartiet over lengre tid har kunnet glede seg over gode meningsmålinger, skulle man tro at de hadde selvtillit nok til å snakke om hva som er deres alternativ til regjeringens politikk. Men det har de ikke vist vilje til i salen her i dag. De evner heller ikke å svare på grunnleggende spørsmål om Verken Høyre eller Fremskrittspartiet vil begrunne hvorfor de er imot tiltak for å bekjempe sosial dumping, selv om de er blitt utfordret på det gjentatte ganger. Høyre snakker mye om skolen, men de kan ikke svare på et helt grunnleggende spørsmål om de vil gjeninnføre privatskoleloven dersom de skulle komme i regjering igjen, ei heller på spørsmålet om de vil ha karakterer i femte klasse. klasse. Fremskrittspartiet vil fortsatt ikke svare på om de mener at klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Jeg skal ikke forlenge debatten ytterligere, men jeg skal komme med en stemmeforklaring. Når det gjelder Venstres forslag om asylsøkere, forstår jeg det slik at Venstre ikke ønsker å oversende det forslaget. Da kommer vi til å stemme imot det. Når det gjelder Fremskrittspartiets forslag, kommer vi til å stemme imot alle sammen. Når det gjelder forslaget om Nav-ombud, vil vi også stemme mot det, ikke fordi vi er imot, men fordi vi oversendte det i fjor. Posten har kommet fram. Regjeringen har det til vurdering. Så vi mener at vi ikke trenger å oversende det en gang til. Når det gjelder Kristelig Folkepartis forslag om ideelle aktører, støtter vi intensjonen i det Kristelig Folkeparti har framført i salen her gjennom hele dagen i dag … Det betyr at taletiden er ute. Det er greit. Vi ber om at forslaget oversendes.

Men skulle det være noen som mener at de har bedt om ordet og ikke kommer opp på listen, må vi bare gjøre det på gamlemåten og rekke opp hånda. Neste taler er uansett representanten Erna Solberg, deretter representanten Siv Jensen. La meg først svare raskt på noen spørsmål fra Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Ja, Høyre ønsker å gjeninnføre en friskolelov som gjør at barn og foreldre får sin menneskerettighet til å kunne velge den skolen de ønsker å gå på, oppfylt. Ja, vi kommer til å ønske å innføre karakterer fra femte klasse, men i hvor mange fag og hvor mye har vi ikke tatt stilling til ennå. Men jeg tror, som nettopp har hatt barn som har gått fra barneskolen til ungdomsskolen, at det kunne vært fint å begynne med en eller to karakterer før man får krasjet med alt. Frykten for dette kan man bare gå over til Sverige og sjekke. Der fungerer det helt utmerket uten de store og vanskelige sakene. Vi kan svare på mange spørsmål, men det er mange spørsmål som stilles i denne sal, som er retoriske. Det blir egentlig aldri spurt for å få et svar, men for å få bekreftet en haug med myter som man skaper seg om andre representanter og partier. Da har jeg lyst til å si at i dag var det befriende å høre Martin Kolberg. Han hadde i hvert fall skjønt en ting som svært få andre av de i Arbeiderpartiet som tok ordet her og snakket om privatisering, kommersialisering og markedsorientering, hadde skjønt – nemlig at Høyres politikk går ut på at helsesektoren skal finansieres av det offentlige. Eldreomsorgen skal finansieres av det offentlige. Skoleverket skal finansieres av det offentlige. Ja, det er faktisk slik at vi ønsker å innføre mer valgfrihet innenfor et offentlig finansiert system. Det er dagens regjerings politikk som bidrar til mer privatisering i den tradisjonelle formen når de har 132 pst. økning i private helseforsikringer fra 2000 og frem til i dag. I dag er det slik at folk kommer med pengene sine til private sykehus for å kjøpe seg ut av køen fordi man ikke får bruke kapasiteten på de samme sykehusene. Derfor er det slik at konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk er et større klasseskille innenfor helsevesenet. Det er et større klasseskille innenfor mange av de velferdsområdene som man ofte her later som andre vil skape. Jeg tror ikke det er fordi man vil det, men det er fordi rød-grønn politikk fører til det når man ikke er villig til å gi valgfrihet den andre veien. Men jeg må bare si at nå skal jeg referere til Martin Kolberg. Han har skjønt det. Det er fint. Det er altså slik at Høyre ønsker et offentlig finansiert velferdssystem. Derfor er vi også så opptatt av at vi skal skape dynamikken bak det, slik at vi også kan finansiere det. Da skal jeg kort løpe gjennom stemmeforklaringene våre. Vi kommer til å støtte forslag nr. 8, fra Kristelig Folkeparti. Vi kommer til å støtte forslagene nr. 2, 4, 6 og 7, fra Fremskrittspartiet. Men jeg har lyst til å si at jeg synes egentlig at alle disse forslagene hadde fortjent en bedre saksbehandling i Stortinget. Men når vi er for dem – og noen av dem er til og med opprinnelig Høyre-forslag – stemmer vi altså for dem. Så til slutt har jeg lyst til å si at selv om vi ikke stemmer for det forslaget om flyktninger og Hellas, har jeg lyst til å be regjeringen om å tenke gjennom den debatten vi hadde før sommeren, der det var et helt klart signal fra oss at vi ønsket å støtte Hellas i deres arbeid for å gjøre noe med flyktningsituasjonen

Jeg er ganske sikker på at de driver med politikk fordi de ønsker å skape et bedre Norge, og da ville det jo være raust – i hvert fall av posisjonen – å ha den samme tiltroen til opposisjonen selv om vi ikke er enige. Debatten har jo gått langs to spor. Noen av posisjonens representanter har angrepet opposisjonen for å fordekke sannheten – for helst ikke å ville snakke om sin egen politikk og forsøke å pynte på den eller fremstille den som

Og det kommer til uttrykk. Når man da håner og hetser opposisjonen på den måten som man har gjort i denne debatten, er man samtidig med på å håne og hetse et stort antall av innbyggerne i dette landet, og det synes jeg man skal holde seg for god til i en debatt som handler om hvilke veivalg og hvilke politiske løsninger vi ender opp med å velge, og respektere hverandre selv om vi er uenige. Men jeg har også oppfattet at ingen av posisjonens talere har vært i nærheten av å drive noen form for selvransakelse. Alt som skjer ut fra den rød-grønne regjeringen, er fantastisk. Det var sågar et innlegg her som fikk det til å høres ut som om torsken i det norske havet har det bedre under den rød-grønne regjeringen. Det får være måte på! Men det dette viser meg, er altså at prinsippene om indoktrinering i enhetsskolen virker. De virker, og det er jo noe av det Fremskrittspartiet advarer mot, nemlig en enhetsskole som skal gjøre alle like, mens vi vil ha en skole som gjør at folk klarer å tenke selv. Med de ordene har jeg lyst til å gi en stemmeforklaring. Fremskrittspartiet vil støtte forslaget fra Kristelig Folkeparti, men vi kommer ikke til å støtte forslaget fra Venstre. Med det håper jeg at denne debatten

for ein dialog med Kristeleg Folkeparti og andre parti i Stortinget om dei utfordringane som frivillig sektor har i velferda i Noreg, og vi støttar intensjonen i det Kristeleg Folkeparti har framført. Vi er opptekne av å vise at ideelle aktørar spelar ei viktig rolle for velferda i Noreg, og at dei skal ha føreseielege rammevilkår, slik at dei ikkje vert skvisa ut. Eg har merka meg fleire gode innlegg i debatten i dag dag om dei problemstillingane, og ikkje minst representanten Høybråten si påpeiking av at dette er ei utfordring mot det ideelle, frå to sider. Så spør eg meg: Har vi vorte klokare på andre felt? Vel, eg tek med meg to ting. Det eine er: I det norske storting er alle for den norske modellen. Ein er like for den norske modellen som for Noreg, og så legg ein i den norske modellen det Så eg trur at den vidare debatten om velferdspolitikken må dreie seg om kva slags velferdspolitikk. Er det viktig at det er små sosiale forskjellar i eit samfunn for å oppretthalde vesentlege trekk ved det? Er det viktig at vi har gode arbeidstakarrettar, at vi kjempar mot sosial dumping osv.? Debatten må dreie seg om kva slags velferdspolitikk og kva slags velferdsreformer vi skal ha i åra som kjem. Det siste eg tek med meg, er at veldig mange innlegg eg har høyrt i denne debatten, har vore opptekne av – frå alle sider, trur eg, i alle parti – at vi føler oss veldig svartmåla av dei andre. Mange i regjeringspartia føler at situasjonen i Noreg vert svartmåla, og mange i opposisjonen synest regjeringspartia svartmålar dei. Vel, eg trur eg har lyst til å seie det slik at ein viktig del av demokratiet er at alle parti presenterer sin politikk, men det er faktisk òg ein viktig del av ein demokratisk debatt at ein har moglegheita til å presentere det ein meiner er konsekvensane, og å beskrive andres politikk. Difor trur eg vi må akseptere at opposisjonen beskriv regjeringa sin politikk og det som dei meiner er konsekvensane av han – av og til kanskje litt vel målarisk uttrykt, men ok! På den andre sida må vi altså beskrive kva som er dei moglege konsekvensane slik som regjeringspartia ser det, av Høgre og Framstegspartiet sin politikk dersom dei skulle danne regjering. Det er òg ein del av ein politisk debatt.

at vi skal la andre land behandle asylsøknadene til Norge, nemlig det landet de kom først til, baserer seg på selve prinsippet om at forutsetningen om at EUs reglementer og direktiver, som handler om prosess, om behandling, om hvilken status det er som skal legges til grunn for å få opphold, faktisk oppfylles. Da er er det altså sånn at

den saks skyld, gir. En annen bakgrunn for at dette er trøblete akkurat nå, er at Den europeiske menneskerettighetsdomstol allerede har sagt at det er i strid med menneskerettighetene å sende enslige mindreårige asylsøkere tilbake til Hellas. Derfor gjør ikke Norge det, på linje med andre land. Nå er det saker som er oppe til behandling både i Den europeiske menneskerettighetsdomstol og i EUs egen domstol. I påvente av dette har Storbritannia utsatt utsendelse av av flyktninger og asylsøkere. Derfor mener jeg at det ville være riktig å stoppe denne utsendelsen. Særlig prekært er dette for barnefamilier. Men regjeringen ved justisministeren har varslet at dette er noe som regjeringen ønsker å vurdere på en skikkelig måte. Da ønsker jeg å oppfordre Venstre til å la være å behandle denne saken nå, men la den undergå en skikkelig behandling, for det synes jeg denne saken fortjener.

politikk. Det har handlet om lovgivning rundt arbeidstakeres rettigheter og et ordnet arbeidsliv. Det har handlet om behovet for et fortsatt progressivt skattesystem; prinsippet om at man skal bidra etter evne. Det har handlet om distriktspolitikk og landbrukspolitikk. Men jeg har også lyst til å gi opposisjonen skryt for at man tidvis i hvert fall har kommet med relevante innlegg. Men jeg har også lyst til å gi opposisjonen skryt for at man tidvis i hvert fall har kommet med relevante innlegg. Likevel har jeg lyst til å bemerke at innleggene og innspillene framstår som alt annet enn samlet. Spesielt har de to høyrepartiene presentert en politikk og en virkelighetsbeskrivelse som tyder på at det er mye som peker i feil retning. Men det er også påfallende å se hvor forskjellig svarene rett og slett er. regjeringspartiene har ikke de svarene vi har etterspurt, kommet. Jeg tror på Siv Jensen når hun sier at hun vil noe annet med Norge. Men hvilket veivalg det representerer for det norske samfunnet i praksis, framstår for meg etter denne debatten fremdeles som å være helt i det blå. Som jeg sa i mitt innlegg: Det å styre landet handler ikke bare om å være uenige om hva man ikke vil, men faktisk også om å være enige om det man vil. Jeg synes Kristelig Folkeparti har vært svært konstruktivt i denne debatten. Man har lyktes med å sette frivillighet og rammevilkår for sivil sektor på dagsordenen. Derfor vil vi også selvsagt oppfordre til at det forslaget som ligger på bordet, blir omgjort til et oversendelsesforslag, og forplikte oss til å følge opp de intensjonene som ligger i forslaget. Det er intensjoner som vi fullt ut deler. Jeg har også lyst til å bemerke at sentrumsdimensjonen i det norske parlamentet har styrket seg gjennom denne dagen og denne kvelden, rett og slett fordi jeg oppfatter at de to andre sentrumspartiene har vært svært opptatt av å presentere egne prosjekt

bare å tenke privat, men også tenke på hvor viktig den sivile delen av samfunnet er, som verken det private eller det offentlige kan erstatte. Det var bakgrunnen for at vi fremmet det forslaget som går på at ideelle aktører som yter helse- og sosialtjenester, bør få langsiktige og gode rammevilkår. Så har samtlige talspersoner fra regjeringspartiene anmodet oss om å gjøre forslaget om til et oversendelsesforslag. Jeg merket meg at Borten Moe føyde til en klar forpliktelse til å følge dette opp. Med disse ord er vi innstilt på å omgjøre forslaget til et oversendelsesforslag. Vi gjør det også fordi vi kommer til å følge det opp her i Stortinget ved de anledninger som byr seg, for å sikre at dette ikke bare blir ord, men at det også blir handling. Jeg vil si at med det Bård Vegar Solhjell, Helga Pedersen og nå sist Ola Borten Moe sa, har vi tiltro til at dette vil bli fulgt opp i handling. Det tror jeg er et stort gode for det norske samfunnet, ikke minst når vi tenker på hvilke store velferdsoppgaver som trenger å bli løst. Det offentlige kan ikke alene makte en slik oppgave. Jeg oppfatter at vi fra Kristelig Folkeparti har fått mange gode – hva skal vi si – omsorgsinnlegg både fra øst og vest, eller fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet, og i denne sammenheng i en litt krevende tid for Kristelig Folkeparti, får jeg vel si, er vi glad for all type omsorg, om den er privat, offentlig eller ideell. Jeg har ambisjoner om å bli siste taler, og

jeg sa i hovedinnlegget mitt. Jeg begynte med å si at vi bor i et land hvor vi har det veldig flott. De aller fleste av oss har det veldig flott i dette landet. Vi er kjempeheldige som bor her. Det andre jeg sa, var at skal vi takle framtidas utfordringer, må vi ta noen andre grep nå. Så sier Helga Pedersen at jeg lager et negativt bilde av landet og viser mangel på framtidstro. Kanskje vi skulle tatt hverandre litt mer seriøst i det vi

Så har jeg lyst til kort å forklare hvilke forslag fra Fremskrittspartiet vi stemmer for og imot. Vi stemmer imot det første – selvfølgelig. Venstre har jobbet i hundrevis av år, føles det som, for å si at politikere er folks ombud. Det å sette dette ut på anbud er jeg uenig i. Vi er også imot forslag nr. 3. Vi støtter forslag nr. 4. Det syns jeg er betimelig på dette tidspunkt. Vi er imot forslag nr. 5 fordi det bryter med et annet viktig Venstre-prinsipp, nemlig lokaldemokratiet. Vi er for forslag nr. 6, men vi stemmer ikke for forslag nr. 7. Så har jeg lyst til å si litt til slutt – jeg ser ingen klokke, men jeg tror at jeg har litt tid igjen – om parlamentet. Jeg har også vært parlamentarisk leder da Venstre var regjeringsparti. Da Da hendte det faktisk at parlamentet hadde innflytelse på saker. Det hendte faktisk i alle komiteer at man flyttet på penger på grunn av offentlig debatt. Det hendte faktisk at regjeringspartiene stemte for forslag fremmet i Stortinget, fordi de var kloke. Jeg vil at parlamentet skal ha den makta, og jeg syns det er fryktelig dumt at det utvikler seg slik at man ikke stemmer for forslag man faktisk er for, fordi det ikke er fremmet av dem det skal fremmes av. Det var min kommentar til vårt forslag. Så har vi en tv-aksjon på søndag for flyktninger. Det gir noen bilder av en del av hele denne integrerings-, flyktning- og innvandringsdebatten som vi nesten ikke ser i norsk debatt. Så hvis man skal ha noe å Så hvis man skal ha noe å sove med, foreslår jeg at man går inn på YouTube og ser tv-aksjonens film. Da får man et litt annet perspektiv på den debatten. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Presidenten kan fortelle representantene at jeg så heller ingen klokke på slutten. Den eneste som hadde klokke igjen, var sekretæren. min skjerm står det at det begynner å bli lite diskplass. Vi får håpe at vi i fellesskap klarer å komme igjennom voteringen før alt bryter sammen.

Da mener presidenten å ha registrert at alle partigruppene har signalisert at de er klare til å gå til votering. Vi er nå veldig spente på det tekniske anlegget her, men vi skal komme oss igjennom. Under debatten er det

ikke virker? Ja. Det eneste som det i grunnen er litt orden på, er rødt og grønt – hvis jeg kan si det på den måten!

varslet at de støtter forslaget. Presidenten vil så foreslå at Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring vedlegges protokollen. – Det anses